å påføre folk flest høyere leieavgift, og at det sånn sett er en ondsinnet handling. Det er ikke det som er poenget i denne saken. Det er ikke det som diskuteres i denne saken heller. Det som diskuteres, er hvordan en skal løse opp i en situasjon hvor Norge har gjort seg skyldig i et menneskerettighetsbrudd, fordi den regjeringen som Lauvås’ parti satt i, ikke klarte å overholde det som var menneskerettighetskravet. jeg synes det er en litt underlig måte å ta den diskusjonen på. Vi kan gjerne ha en diskusjon om tomtefeste generelt og hva slags nivå det bør være på tomtefesteavgifter generelt, og om hvordan tomtefesteordningen bør være generelt fremover. Men det er ikke det vi er her for nå. Jeg har respekt for at det er ulike oppfatninger av hva som skal til for å rette opp i dette menneskerettighetsbruddet, men det er altså det som er utgangspunktet for diskusjonen. Så mener regjeringspartiene og Venstre og Kristelig Folkeparti at det er ett nivå som skal til for å oppfylle kravet, og så mener Arbeiderpartiet noe annet. Det synes jeg er greit. Men det å si at det er en slags ondsinnet manglende hensyntaking til folk flest, synes jeg rett og slett er å dra det relativt mye lenger enn det det er grunnlag for.
I kampens hete, hadde jeg nær sagt, i debatten i går, kom jeg i skade for å beskylde lederen av opposisjonen for intellektuell latskap, for ikke å forholde seg til den reelle begrunnelsen. Jeg vil nødig gjøre det igjen, men deler av opposisjonen har klart forholdt seg litt snevert til den begrunnelsen som vi faktisk opererer med når det kommer til valg av prosentsats. I merknadene står det helt klart at deler av opposisjonen har klart forholdt seg litt snevert til den begrunnelsen som vi faktisk opererer med når det kommer til valg av prosentsats. I merknadene står det helt klart at vi i det alt vesentlige føyer oss til den veldig gode begrunnelsen som departementet har gitt når de har fastsatt 2,5 pst. som en «fair balance». Så må vi anse det som et supplement, eller et vedlegg til den begrunnelsen, at vi gjør noen justeringer. Vi viser f.eks. til i innstillingen at noen færre eiendommer vil treffe taket. Det er altså et klart boligsosialt hensyn. Videre viser vi til at festekontraktene har lav risiko, og over tid er det da grei avkastning. I tillegg har jeg også her fra talerstolen vist til høringsinnspill, bl.a. disse fem høyt ansette økonomene som har tilknytning til NHH, som sier at en prosentsats som ligger i området opp til 2,5 pst., er fullt ut forsvarlig. Så jeg vil si at vi er på trygg grunn. Det vil alltid være sånn at de som er uenig i resultat, vil gjerne mene at motpartens begrunnelse er svak. Jeg har snakket med personer som mener at Arbeiderpartiets begrunnelse er særdeles svak. Jeg tror vi skal holde hodet litt kaldt, og så skal vi gjøre som statsråden har appellert til, nemlig å se på dette som et samvittighetsfullt arbeid og avvente en rettslig behandling. Jeg håper at vi har klart å reparere det menneskerettighetsbruddet som vi er dømt for.

ondsinnet handling, så langt jeg kan huske. Det er mulig at man kunne oppfatte det som det, men det jeg omtalte, var rett og slett regjeringens politikk, som står å lese i forslaget i saken. Noe annet enn det gjorde ikke. Så refererte jeg til Arbeiderpartiets primærstandpunkt. Som vårt landsmøte har sagt, vi ønsker å fjerne ordningen på sikt, og jeg sier videre at nå øyner jeg en mulighet for at det kanskje kan gå an å få til, med de signalene som er kommet. Så det er bare å gjenta at regjeringen hadde et større handlingsrom, kunne gjort det lettere for tomtefesterne og kunne gjort det billigere for tomtefesterne. Det velger regjeringen og støttepartiene ikke å gjøre. Men det er altså ikke riktig for sent ennå. Det er ikke votert, dere kan fremdeles stemme for Arbeiderpartiets forslag. Det ville gjort saken noe enklere, i hvert fall økonomisk sett, for de ca. 170 000 det gjelder i dette landet.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

Denne proposisjonen vil gi Forsvaret en trygg juridisk forankring når de skal yte bistand til politiet. Jeg tror alle i denne salen vil være enig i at Forsvaret kan være en veldig verdifull ressurs for samfunnet og for politiet, spesielt i nødsituasjoner. Det kan være alt fra Forsvarets spesialkommando, som går inn der ingen andre kan eller tør. Det kan være Heimevernet, som

er at det har vært et avvik mellom hva vi som politikere har forventet av Forsvaret i deres bistand til politiet, og hva de faktisk rettslig sett kan gjøre. Det har vært ganske bredt omtalt både i forskning og i media at det har vært usikkerhet i Forsvaret om hvor langt deres hjemler egentlig strekker

yte bistand til politiet i visse situasjoner, men det er veldig viktig å huske at en forskrift er nå engang bare en forskrift. Grunnloven stiller krav om at denne type hjemler for maktbruk skal fastsettes av oss, Stortinget, i en lov. Skal Forsvaret med dagens bistandsinstruks utøve makt i en eller annen form,

Det samme gjelder f.eks. hvis Forsvaret skal bidra i søk etter personer, som gjerne må arresteres. Det er vanskelig å vite hvilken lovhjemmel som skal kunne påberopes der. Den usikkerheten fjerner vi nå. Flertallsmerknadene slår også fast at dette er nødvendig for å være helt

for å sikre at det ikke er usikkerhet og uklarhet om bruk av militærmakt mot sivilbefolkningen i enkelte helt spesielle, avgrensede forhold. Jeg har sett at det har vært noen diskusjoner i innstillingen knyttet til omfanget av bruk, at man overlater mye til instruks og forskrift. Samtidig er det ingen endring i rettstilstanden i så henseende utover at man faktisk får hjemlet den bistandsinstruksen i lovs form. Jeg tror det er positivt og vil være avklarende. Jeg skylder også å gjøre oppmerksom på at regjeringen kommer til å gå igjennom bistandsinstruksen og revidere den, for å sikre at den er helt oppdatert, og at vi kan få til forbedringer på de områdene hvor det er nødvendig. Det arbeidet er allerede godt i gang,

om Forsvarets bistand til politiet, altså bistandsinstruksen. Vi merker oss selvsagt at det kan være grunn til å stille spørsmål om dette, ved at forslaget legger opp til en omfattende bruk av forskrift framfor å regulere dette i lov – særskilt knyttet til den til dels omfattende adgangen til bistand som gis i § 27 tredje og fjerde Arbeiderpartiet vil understreke at det siden terrorangrepet 22. juli 2011 har vært stor oppmerksomhet rundt det å forbedre ivaretakelsen av samfunnssikkerheten i Norge, herunder det sivil-militære samarbeidet, og sikre de rettslige og praktiske rammene for en mer effektiv bistand fra Forsvaret når politiet anmoder om det. Samtidig kan Forsvaret bistå med en rekke ulike og relevante kapasiteter i situasjoner. Det kan f.eks. være helikoptertransport, sikring av viktige objekter og bistand fra Forsvarets spesialstyrker. Derfor er det etter vårt syn av særlig betydning at regjeringen Solberg nå følger opp ved å foreslå å regulere de lovmessige rammene for Forsvarets bistand til politiet. vil sterkt understreke at et lovverk som regulerer Forsvarets bistand til politiet i egen lov, vil bidra til stats- og samfunnssikkerheten i langt større grad, og vi håper at det vil komme i framtiden. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 7. Etter ønske fra energi- og miljøkomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 8 og

og at taletiden blir fordelt på gruppene slik: Arbeiderpartiet 25 minutter, Høyre 20 minutter, Fremskrittspartiet 15 minutter, Kristelig Folkeparti 10 minutter, Senterpartiet 10 minutter, Venstre 10 minutter, Sosialistisk Venstreparti 10 minutter og Miljøpartiet De Grønne 10 minutter. Presidenten vil videre foreslå at det blir gitt anledning til tre replikker med svar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

under utbygging 28,4 mrd. kWh mer fornybar energi, tilsvarende forbruket til over én million husholdninger. Planlagte investeringer er store når det gjelder både produksjon og infrastruktur. Det er samlet sett store industriprosjekt. Det er nå det faktisk skjer. Det er dette som er den grønne omstillingen som mange gjerne snakker om. Målet er en fornybarandel på 67,5 pst. i 2020 – det vil i så fall være den høyeste i Europa.

Sakene Stortinget i dag skal ta stilling til, den såkalte første kontrollstasjon, innebærer ikke store endringer i elsertifikatordningen, og det er klokt. Det er viktig med stabilitet og forutsigbarhet for dem som skal investere under ordningen. Forslaget fra regjeringen innebærer at fristen for når nye anlegg må være i drift for å ha rett på elsertifikat, utvides til 31. desember 2021. På den måten vil gode prosjekt som er planlagt startet i 2020, kunne realiseres uten usikkerhet for at fristen overholdes. Hele komiteen har gitt sin tilslutning til denne endringen. Komiteen er også enig om at den neste kontrollstasjonen bør framskyndes til 2017 i stedet for 2019, som det skulle ha vært ifølge den opprinnelige avtalen med Sverige. Slik vil eventuelle lovendringer kunne tre i kraft 1. januar 2018 og få relevans for måloppnåelsen

og det handler om småkraftverk som i dag sliter, men som har potensial til å sikre nettopp økt produksjon av fornybar energi. Senterpartiet går også inn for en ytterligere utvidelse av overgangsordningen til å omfatte noen få verk, som etter lovendringen som Stortinget vedtar i dag, fortsatt vil være utenfor ordningen. Det gjelder verk over 10 MW som er bygd før 7. september 2009, samt anlegg med økt produksjon som følge av opprustning, som også bør være inkludert i overgangsordningen for elsertifikat.

og jeg understreker at Riksdagen må fatte et slikt vedtak, hvis ikke vil hele avtalen kunne falle bort, noe som også statsråden har bekreftet overfor Stortinget. Den siste uka har vært dramatisk i et energipolitisk perspektiv. Statkraft har gitt beskjed om at de trekker seg ut av vindkraftprosjekt i Norden, og konsekvensen er at Norges desidert største fornybarsatsing står i fare for ikke å bli realisert. Vindkraftutbyggingen på Fosen er samlet sett blant verdens største, med samlede investeringer på 15–20 mrd. kr. Vi i Senterpartiet spør oss hva konsekvensen blir for den nasjonale fornybarsatsingen og målet om 67,5 pst. fornybarandel i 2020 dersom dette prosjektet ikke realiseres. Det er også grunn til å spørre om hva som skjer med målet om å bli ledende på miljøteknologi og mindre oljeavhengig. Jeg registrerer også at Statnett nå skaper usikkerhet om hvordan det skal gå når det gjelder bygging av høyspentlinje fra Namsos til Surnadal, og om den i det hele tatt vil bli realisert. Det vil være alvorlig både relatert til fornybarmålet og fordi det norske samfunnet opplever fallende lønnsomhet i oljeindustrien og økende arbeidsledighet. Vi har av mange grunner behov for en grønn omstilling, og det må finnes vilje til å satse og ta risiko for å gjøre Norge til en stor fornybarprodusent, også utenfor vannkraften. Dette kommer til å bli en viktig side ved dagens debatt. Det er mange spørsmål det er behov for svar på. Derfor er også debatten utvidet, slik at sider ved det som har skjedd, kan belyses gjennom debatten. Presidenten antar at representanten skal ta opp et forslag? Jeg tar opp det forslaget Senterpartiet har i saken. Da har representanten Marit Arnstad tatt opp det forslaget hun

samtidig som vi gjennomfører tiltak for å bruke fornybar kraft på områder hvor vi tidligere har brukt fossil energi. Gjennom høringsprosessen for en justert avtale med Sverige om elsertifikatavtalen går tunge energiaktører imot avtalen, deriblant Energi Norge. De etterlyser mer oppmerksomhet rundt hva kraften skal benyttes til. Bruk av kraft fra land og tilrettelegging for kraftkrevende industri kan kanskje være et godt svar på akkurat det. Elsertifikatmarkedet vi har sammen med Sverige, skal bidra til å nå målene vi har satt oss i fornybardirektivet, og til å utløse 26,4 TWh ny fornybar kraft fram mot 2020. For Arbeiderpartiet er det vesentlig at Norge får sin rettmessige andel av investeringene gjennom sertifikatordningen. Dessverre ser vi at det er krevende. Lav kraftpris var en ventet konsekvens av produksjonen av ny fornybar energi, men vi må se på hvordan vi kan legge til rette for at flere av de investeringene som skal foretas, kommer i Norge og gir ringvirkninger til norsk næringsliv og norske kommuner. Uten utbygging i Norge er det vanskelig å bygge opp et industrielt nærvær i den delen av fornybarsektoren. Elsertifikatsystemet fungerer sånn at det er vi som norske strømkunder som betaler for utbyggingen av fornybar energi gjennom sertifikatene. I gårsdagens Dagens Næringsliv kunne vi lese at dersom en legger dagens prisbilde til grunn, vil den totale kostnaden over systemets levetid være på 48 mrd. kr. Vi må ikke gå i den fellen at vi tenker at dette ikke merkes fordi disse pengene ikke går over statsbudsjettet. Når regjeringen nå foreslår og får tilslutning fra komiteen om å øke antallet gamle kraftverk som skal få støtte, er det grunn til å stille seg noen spørsmål. I proposisjonen er kostnaden beregnet til å koste ytterligere 2,4–4 mrd. kr. Det er altså kraftverk som produserer strøm i dag. Det er et problem at vi ikke får tiltrukket oss nok investeringer til Norge. Stortinget har gjort noen grep for å bedre investeringsgrunnlaget for aktørene på norsk side. Endring i avskrivningsreglene er sentralt her. Arbeiderpartiet foreslo 40 pst. meravskrivning over de første fire årene teknologinøytralt for sertifikatkraft. Regjeringen har lagt seg på et lavere nivå. I avtalen med Sverige som vi nå har til behandling, ber statsråden oss godkjenne at svenskene skal øke sin forpliktelse med ytterligere 2 TWh. Vi har merket oss at det gir problemer i det svenske parlamentet. Det er avgjørende at statsråden ikke går med på at svenskene får økt sin forpliktelse uten at investeringsforholdene mellom svenske og norske aktører jevnes ut. Det er en underlig situasjon vi nå befinner oss i. Stortingets flertall vil nå gi allerede vedtatte og utbygde prosjekter som ikke har hatt tilgang til sertifikater, tilgang på nettopp det. Med andre ord: Allerede foretatte investeringer skal motta subsidier fra norske strømkunder. I tillegg skal vi øke omfanget av sertifikatmarkedet, som igjen vil øke kraftproduksjonen i det nordiske markedet, som igjen vil redusere prisene og gjøre det vanskeligere å investere. Dette gjøres i en tid da statens eget selskap, Statkraft, ikke har klart å regne hjem en lønnsom investering av vindkraftprosjektene på Fosen og i Snillfjord i Sør-Trøndelag – mitt og statsrådens hjemfylke. Jeg er en av mange fra Trøndelag som har vært stolt av og glad for at landets mest ambisiøse vindkraftutbygging skulle realiseres akkurat der. Jeg er også en av dem som

og hun kunne fortelle hvordan de og næringslivet har forberedt seg i ti år. Hun ville ha en forklaring, og det er hun ikke alene om. Vi må få en forklaring, vi må få tall på bordet og en begrunnelse for hvorfor tidenes vindkraftutbygging i landet vårt skrinlegges over natten uten at noen er forberedt på det. Jeg har merket meg at næringsministeren har bedt om en redegjørelse. Vi må få en skikkelig forklaring. Jeg mener det er underlig om ikke statsråden har holdt seg oppdatert på utviklingen i et så viktig prosjekt for fornybarindustrien i Norge. Av mange blir nettopp disse prosjektene ansett som de beste, med gode vindforhold og en avtale med Statnett om en linjeforbindelse. I et marked hvor mange investeringer går til Sverige, var forventningene store til disse prosjektene. Norge som en arena for å investere i vindkraft er betydelig svekket dersom disse prosjektene ikke realiseres. Statkraft har skapt forventninger om at forventninger som gir grobunn for optimisme i næringen og i regionen. Det er veldig negativt at de nå ikke klarer å levere det de har sagt. Arbeiderpartiet foreslo en mer romslig ordning for avskrivningsregler for fornybar energi enn det regjeringen gjorde. Vi forutsatte at regjeringen hadde en forståelse av hva som skulle være nødvendige virkemidler for å få fram nye fornybarprosjekter. Dette viser at regjeringen vurderte situasjonen feil, selv om det ikke er sikkert at økt avskrivningsmulighet kunne skapt lønnsomhet i prosjektet. At prosjektene for vindkraft i Midt-Norge ikke realiseres, er et problem for hele den norske fornybarindustrien. Vi ønsket å legge til rette for utbyggingen av dette prosjektet da vi satt i regjering – den rød-grønne regjeringen – og ga konsesjon til Statnett for sentralnettforbindelse i området på en måte som la til rette for vindkraft. Det er avgjørende at regjeringen nå sørger for at Statnett ikke ytterligere forverrer situasjonen gjennom å stenge døren for sentralnettforbindelse allerede i sitt møte i neste uke. Det kan være flere som vil være med på å finne løsninger på den floken som nå har oppstått. I desember skal det forhandles om en internasjonal klimaavtale i Paris, hvor Norge bør og skal være offensiv for å få på plass en ambisiøs avtale med ambisiøse mål. Skal vi få til et grønt skifte, innebærer det at land som har forutsetning for å produsere fornybar energi, bidrar med å utvikle god teknologi og realisere gode prosjekter, som det på Fosen og i Snillfjord. Da er neste taler nå blitt representanten Rasmus Hansson, som har byttet med den som ble annonsert, på grunn av en pressekonferanse i vandrehallen. Det har presidenten stor forståelse for.

Men den ideen sporet av fra starten, da det dominerende tiltaket ble subsidier til grunneiere som bygger dyre vannkraftverk med hyllevareteknologi i små bekker. For sikkerhets skyld vil flertallet i dag forverre dette ytterligere ved også å gi sertifikater til bekkekraftverk på under 10 MW som ble bygd for ti år siden. Det meste av utbyggingen i det grønne nordiske sertifikatmarkedet har skjedd i Sverige. I forrige uke stanset altså Statkraft sitt vindkraftprosjekt på Fosen fordi strømprisen er blitt for lav. Mye tyder på at det vil bli vanskelig å få liv i den norske vindkraftutbyggingen igjen med dagens regime. Imens ligger norske skattebetalere an til å betale 50 mrd. kr for vindkraft i Sverige fram til 2035. De Grønne har lite imot at Norge bidrar til fornybarutbygging i Sverige. Men uten en plan for å bruke kraften til å erstatte fossil energi, uten å drive fram teknologi som verden trenger, uten å skape arbeidsplasser som kan ta over for oljeindustrien, mister elsertifikatene legitimitet i Norge. Folk flest ser ikke poenget med stadig større naturinngrep og ekstra strømregning for å produsere et planløst strømoverskudd som ender med å undergrave prisgrunnlaget for videre utvikling av fornybar energi.

En ny energiplan må ta opp hvor mye fornybar produksjon vi trenger for å nå klimamålene, hva som skal dekkes av effektivisering, hva som skal gå til eksport, og hva som skal gå til kraftkrevende industri. Dette kan med fordel komme i den nye energimeldingen som regjeringen har varslet. For det andre: Videre fornybarutbygging må skje innenfor en samlet plan for bevaring av norsk natur. I dag søker altfor mange dårlige prosjekter om konsesjon. Det skaper et høyt konfliktnivå. Sverige og Danmark velger ut noen få områder som egner seg for utbygging, de reduserer konflikter, effektiviserer saksbehandling og tar vare på mer natur. Teknisk Ukeblad har anslått at Norge bruker 2 mrd. kr bare på konsesjonsprosesser, altså mer enn på å bygge ut vindkraft, på grunn av høyt konfliktnivå fordi vi ikke har prioritert natur og planlagt. For det tredje: Problemet er at elsertifikatene er teknologinøytrale, dvs. at de favoriserer billig, eksisterende teknologi. Det var ikke det vi trengte. Vi subsidierer i dag installasjon av utenlandsk hyllevareteknologi i vår vakreste natur. Det gir ikke teknologiutvikling, det gir ikke arbeidsplasser. Det er kanskje god grunneierpolitikk, men det er dårlig klimapolitikk og dårlig næringspolitikk. Tyskerne tenker motsatt. De bruker målrettede subsidier som de har rettet mot sol og vind, og i dag har det ført til at solteknologi og vindteknologi er reelle alternativer over hele verden. På veien har de skapt hundretusenvis av arbeidsplasser og kuttet klimagassutslippene sine med langt over 20 pst. Britene tenker også annerledes. De hadde et regime som var teknologinøytralt og lignet på vårt. Det har de forlatt og gått over til et teknologirettet regime som bl.a. favoriserer havvind. Det fører til at vårt eget Statoil drar til Skottland for å bruke det regimet til å utvikle store havvindprosjekter – de gjør det altså ikke hjemme, der de skulle gjort det. Miljøpartiet De Grønne har foreslått at Norge går inn for en tung havvindsatsing. Det forslaget ligger til behandling i Stortinget, og vi er spent på – særlig i lys av dagens situasjon – hvordan Stortinget vil reagere på det. For det er jo åpenbart at det er i en satsing som havvind at de store ressursene, de store teknologiutviklingsmulighetene og de store arbeidsplassmulighetene ligger ikke i bekkeutbygging. Norge har fortsatt mulighet til å bli ledende innen utbygging av fornybarteknologi, men da trenger vi et regime som får på plass de forutsetningene som jeg har nevnt, og som gjør at vi både skaper arbeidsplasser, driver teknologi, løser klimaproblemene og bevarer norsk natur. Det er

Først til avtalen. Som sagt: Det er bra at en enstemmig komité stiller seg bak forslaget om en avtale. Det har noe å si for forutsigbarheten for de ressursene vi har valgt å gå inn med, at sertifikatene skal ligge fast. Det har likevel oppstått en viss tvil knyttet til det som skjer i Sverige. Vi registrerer at ikke alt der synes avklart, og at det er knyttet en viss uro til denne saken hos våre naboer i øst.

Det har vært sagt mye om å bygge ut bekkekraft og om hvordan man skal gå fram for å få ny teknologi til å bygge ut ny fornybar energi. Det kan kanskje virke litt rart at vi nå skal gi sertifikater til noen som allerede har bygd ut kraften sin, men bakgrunnen for at vi gjør det, er en historie som er litt lang – den går i hvert fall tilbake i tid og er litt Vi må faktisk tilbake til 2003. Da var det sånn i vårt vakre land at det til dels var energikrise, og prisen på strøm var ganske høy. Jeg skal ikke si hva det eksakte tallet var, men det var nok en pris på over 1 kr per kWh. Det var et ønske om at vi skulle bygge ut ny fornybar energi i Norge, og at det var viktig for å få ned prisbildet. Det var Det var vanskelig for konsumenter, og det var også en stor utfordring for dem som drev med næringsaktivitet. Prisen var høy. Det var vanskelige tider. Man ønsket å få en stor utbygging, og man ønsket å imøtekomme den utfordringen som var. Det ble gjort. Arbeidet med å stimulere til ny utbygging av kraft kom i gang, og man begynte å snakke om en ordning med grønne sertifikater, som vi nå innfører. Jobben med å få til en slik ordning

det vi hadde lovet disse aktørene den gangen, og vi har blitt beskyldt for at våre lovnader var valgflesk. Men nå leverer vi, og jeg tror det er viktig at vi som politikere, når vi kommer med slike lovnader, også holder det vi lover. Det er bakgrunnen for de endringene vi nå gjør. I tillegg gjør vi en endring til. I dag vedtar vi å sikre flere tusen industriarbeidsplasser over hele landet ved at vi nå foreslår å frita våre raffinerier for elsertifikater. Vi gir våre bedrifter innen raffinering samme konkurransevilkår som de nordeuropeiske raffineriene, noe som gjør at de i utgangspunktet får like rammevilkår og slipper å betale utgifter som de andre ikke har. Det gir et godt grunnlag for dem, og det er også viktig. Så vi oppfyller våre lovnader i stor grad. Vi sikrer våre bedrifter en bedre konkurransekraft. Det er etter mitt syn god og forutsigbar politikk.

Det er per 1. januar 2015 godkjent anlegg som svarer til 10,3 TWh, av dette er berre 1,7 TWh bygd i Noreg, og ein samla komité er uroleg for at ein for liten del av utbygginga skjer i Noreg, Det er all grunn til å ha fokus på dette vidare framover. Første kontrollstasjon, som vi no behandlar, er vår første moglegheit til å føreta avtalte endringar med vår samarbeidspartnar og interne endringar. Endringar i sertifikatordninga ved denne kontrollstasjonen inneheld tre hovudelement: å utvide overgangsordninga ei justering av elsertifikatkvotane i tråd med Noreg sine forpliktingar etter avtalen mellom Noreg og Sverige om ein felles marknad for elsertifikat ei forlenging av sluttdatoen for når anlegg kvalifiserer for rett til elsertifikat Det betyr at vi har og nyttar denne anledninga til å rette opp ein lovnad den raud-grøne regjeringa ikkje nemleg å involvere dei om lag 240 kraftverka som var lovd å kome inn under ordninga med sertifikat og gjennom det ha moglegheita til å få ei rekningssvarande avkasting på si investering i fornybar kraft – slik dei var lovd. Vidare har vi gjennom forhandlingar kome fram til at også dei tre–fem produksjonsanlegga som har ein produksjon over 10 MW, skal kome med på denne ordninga. Det er eg svært glad for. Eit større løftebrot enn det vi var vitne til frå den raud-grøne regjeringa, skal ein leite lenge etter, og det måtte ei borgarleg regjering til for å rette opp dette løftebrotet, som for mange kunne ført til at ein enda opp med personlege konkursar, og at ein måtte gå frå gard og grunn. At Arbeidarpartiet framleis synest at dette er greitt, er heilt uforståeleg. Ein samla komité viser også til at produksjonsanlegg som blir bygde til erstatning for eksisterande anlegg, som hovudregel ikkje blir rekna som nye anlegg, men støttar regjeringa sitt syn på at ein i enkelte tilfelle vil kunne vurdere desse slik at dei blir gitt rett til sertifikat for produksjonen sin. Det viser ein fleksibilitet som eg er glad for at ein får på plass. Vidare får vi også på plass ei ordning for raffineria, slik at dei blir likestilte med kraftintensiv industriell verksemd, og dermed slepp Med dei rammevilkåra desse raffineria får no, er det eit viktig og avgjerande punkt for god framtidig drift og resultat. Så nokre ord om rammevilkåra for auka fornybarproduksjon generelt. Denne regjeringa har forbetra rammevilkåra på mange område, slik at ein skulle stimulere til auka investeringar innanfor denne ønskte sektoren, sist med forbetra avskrivingsregime rundt vindkraftsektoren. Då er det skuffande at prosjekt som har vore presenterte som robuste og framtidsretta, etter at forbetringane er komne på plass, faktisk blir vedtatt skrinlagde likevel. Fosen-prosjektet er eit tydeleg eksempel på ein slik konklusjon, og ein må kunne spørje seg kva som skal til av rammeverk for å snu ein slik konklusjon, når denne typen etableringar framleis reiser med støtte gjennom sertifikatordninga til vårt naboland Sverige. Framtidas fornybarsatsing i Noreg bør og skal tuftast på eit mangfald av teknologiar, støtta av bl.a. Teknologifondet og Enova, med mål om at vegen fram mot eit lavutsleppssamfunn blir kortast mogleg. Der vil også den annonserte energimeldinga bli ein viktig premiss for framtida. Eg er glad for at vi i dag har ei regjering og ein statsråd som ser viktigheita av ei heilskapleg og overordna melding, som har vore etterlyst av mange i svært lang tid. Nemnast her kan LO, NHO, miljøvernorganisasjonar osv. No er det under arbeid, og det er eg svært glad for. Som nemnt i innlegget tidlegare vil vi stemme for det lause forslaget i saka, som er fremja av Kristelig Folkeparti og Venstre, om dei

Et viktig tilleggsargument, sett i lys av kraftkrisen i 2003, var å sørge for at økt utbygging av vannkraft skulle bidra til økt forsyningssikkerhet for elektrisk kraft gjennom vinterhalvåret. Ordningen ble vedtatt av regjeringspartiene i Bondevik II-regjeringen, sammen med SV, idet en ba regjeringen utrede en slik ordning med et felles norsk-svensk marked for grønne sertifikater innen utgangen av 2005. Daværende regjering hadde som mål å få ordningen opp og gå, men dette ble først utsatt fordi en i Sverige ønsket å utsette oppstarten. Svenskene hadde allerede et slikt marked som skulle tilpasses et felles norsk-svensk marked. Et ensidig norsk marked ville være for lite til at det kunne være et effektivt virkemiddel for å øke produksjonen av fornybar energi. Alle partiene i Stortinget støttet Bondevik II-regjeringen da den i 2005 ble enig med den svenske regjeringen om å innføre et slikt felles marked fra 2007. Etter regjeringsskiftet i 2005 signaliserte den nye, rød-grønne regjeringen at de ville utsette ordningen, og bestemte seg senere for å legge den på is.

om å utvide overgangsordningen til også å omfatte vannkraftverk med installert effekt under 10 MW og byggestart etter 1. januar 2004. Dette har vært et lenge etterlengtet grep fra eierne av de 240 anleggene som til nå ikke har vært med i overgangsordningen, men som nå får inntektsgrunnlaget vesentlig styrket. De har bidratt med økt produksjon av fornybar energi, og vi sikrer nå at denne produksjonen blir opprettholdt gjennom tildeling av som gir en langt mer forutsigbar økonomi for dem som har tatt utfordringen og risikoen med å investere i småkraftverk. Når jeg startet med historien, var det for å understreke at vi nå også har et ansvar for å skape gode rammebetingelser for dem som på bakgrunn av de politiske signalene som ble gitt i 2003, satte i gang med investeringer. Som det framgår av innstillingen, har nå flere kraftverk, bl.a. i Sogn og Fjordane, falt utenfor ordningen fordi de har en produksjon på over 10 MW installert effekt. De igangsatte bygging på bakgrunn av signaler fra daværende olje- og energiminister Einar Steensnæs, og i disse signalene inngikk ikke av kraftselskapene som har falt utenfor ordningen med grønne sertifikater, ble i sin tid prosjektert og bygd nettopp for å kunne møte behovet for økt forsyningssikkerhet etter kraftkrisen vinteren 2003. Det var helt i tråd med de politiske signalene som ble gitt om å bygge kraftverk med tilhørende magasin, slik at kraftproduksjon også kunne skje gjennom Vi står altså overfor en situasjon der kraftverk som ble nybygd på bakgrunn av bl.a. sterke politiske føringer om at de ville få del i et grønt sertifikatmarked, senere kalt elsertifikatmarked, blir sittende igjen med svarteper. Her må ikke staten være urimelig. Dette er svært viktig for flere selskaper og kommuner i et område av landet som har blitt sittende igjen med svarteper på flere andre områder i det siste. Vi fremmer derfor, sammen med Venstre, følgende forslag:

dem, slik det framkommer av merknadene vi er med på i komitéinnstillingen. Den andre saken som vi har på bordet, om samtykke til inngåelse av avtale av 8. april 2015 mellom Norge og Sverige om endring av avtale om et felles marked for elsertifikater, har vi ingen merknader til, utover den brede fellesmerknaden vi er en del av. Så vil jeg bruke de siste sekundene på innlegget mitt til å gi honnør til regjeringen for en dynamisk holdning og evne til å lytte helt til siste sving av

Vi er i en alvorlig situasjon fordi den norske fornybarsatsingen i realiteten er avblåst før den er kommet skikkelig i gang, fordi Statkraft har valgt å droppe investeringer på Fosen. Tidligere har de droppet oppgraderingen av Smøla, og de har også varslet at de dropper alle videre vindkraftinvesteringer i Sverige på grunn av lave priser og usikkerhet i elkraftstøtten.

Hvor står det i eierskapsmeldingen at Statkraft skal gjennomføre underskuddsprosjekter? Meg bekjent gjør det det ingen steder. Sist gang det ble lagt press på Statkraft, ble det bygget gasskraftverk på Kårstø, milliardsluket, som heldigvis står bom stille uten å forurense noe som helst. Statkraft har gjort en nøye vurdering av hva som er lønnsomt. Prisen er for lav. Usikkerheten om sertifikatprisen bidrar heller ikke til å gjøre prosjektet lønnsomt. Da mener jeg det er nødvendig å plassere ansvaret der det hører hjemme, nemlig hos energiminister Tord Lien. Jeg har uttalt – og det står jeg ved – at Tord Liens energipolitikk «er den største trusselen mot fornybarsatsingen i Norge», og det er bevist ved Statkrafts beslutning. Alle som forstår et minimum av hvordan markeder fungerer, skjønner at hvis man har økt produksjon av strøm,

Nå kommer sikkert statsråden i sitt innlegg med en lang liste over alt regjeringen har gjort av tiltak – kraftkabler, avskrivingssatser – men jeg lar meg ikke imponere over tiltak. Jeg vil vurdere konsekvensene av politikken som føres. Og spørsmålet mitt til statsråden er: Er det et uttalt mål å bruke den fornybare energien til å erstatte fossil energi? Vit i denne sammenhengen at mer enn halvparten av alt energiforbruk i Norge baseres på fossil energi! Denne våren fremmet SV et forslag der vi sa følgende: «Stortinget ber regjeringen, i forbindelse med den varslede energimeldingen, legge frem en plan for å erstatte fossil energibruk i Norge med fornybare energikilder.» Regjeringspartiene stemte det ned. Så lenge man ikke har en plan om å sørge for å erstatte det fossile med fornybart, Så lenge man ikke har en plan om å sørge for å erstatte det fossile med fornybart, vil man ende opp i den situasjonen at fornybart blir for billig, og hvis det blir for billig, er det ikke lønnsomt å investere i det. Tord Lien har unnlatt å bruke fornybar energi til å elektrifisere Utsirahøyden fra 2017. Nå blir det 2022, etter påtrykk fra Stortinget. Ingen annen elektrifisering av eksisterende installasjoner ligger i pipelinen. Det er ingen plan om rask utfasing av fossilbiler. Vi er ikke mer ambisiøse med regjeringens politikk, sammen med Venstre og Kristelig Folkeparti, i dag enn det vi var Nullutslipp i kollektivtrafikken er ikke på plass før i 2025. Det kunne vært gjort før. Landstrøm i havner skal utredes, men det er ikke signalisert noen sterke initiativer på dette. El til å erstatte fossil i industrien er ikke noe som Tord Lien og regjeringen har sagt at de prioriterer å gjøre noe med. I tillegg er det sånn, som SV har skrevet i en merknad i innstillingen, at det er en reell risiko for at det blir utstedt for mange elsertifikater etter 2020. Det skaper en risiko for kollaps i elsertifikatprisen. Det at olje- og energiministeren har unnlatt å sikre en minstepris på støtteordningen etter 2020, på tross av at kraftbransjen har påpekt usikkerheten, viser etter min oppfatning en minister som ikke lytter til faresignalene fra bransjen, men stoler på sine egne vurderinger. Det har fått dramatiske konsekvenser for den norske fornybarsatsingen. Siden det nå er

kraftsystemet har vi, som ett av to land i Europa, nesten 100 pst. ren, fornybar kraft. Faktum er at de aller fleste årene produserer vi mer fornybar kraft enn vi totalt konsumerer i det norske kraftsystemet, så vi står ikke bare i en situasjon hvor vi har ren, fornybar – regulerbar i all hovedsak – kraft, vi har også muligheten til å hjelpe våre naboer i Europa med denne kraften for å utfase fossil energibruk andre steder i Europa. Innenfor rammen av EØS-avtalen har vi en forpliktelse, inngått under den siste regjeringen, til å nå en prosentvis energibruk av fornybar energi i det totale energikonsumet på 67,5 pst. Det er høyere enn det absolutt alle medlemslandene i EU har, og det er et mål vi ligger veldig godt an til å nå. En av årsakene til det er innføringen av det grønne elsertifikatsystemet som trådte i kraft 1. januar 2012, etter at bl.a. dagens to regjeringspartier hadde presset på overfor den rød-grønne regjeringen for det. Fordelene med elsertifikatsystemet er mange. Jeg vil trekke fram at teknologinøytralitet er en av Jeg vil peke på at forutsigbarheten er en annen, og nettopp forutsigbarheten er jo grunnen til at vi har dagens debatt. Jeg har lyst til, før jeg glemmer det, å takke saksordføreren og komiteen for godt arbeid med saken. Saksordføreren sa at det er «ikke store endringer». Nei, det er ikke store endringer som vi nå foreslår i selve sertifikatsystemet, sammen med våre svenske Det er tvert imot de endringene som er forutsatt i den bindende avtalen mellom Norge og Sverige. Det bidrar til å skape forutsigbarhet for ordningen og verdien av sertifikatene i tiden som ligger foran oss, og vi har vært opptatt av å bygge opp og forsterke denne forutsigbarheten i vårt arbeid sammen med våre kolleger i Sverige. Så omfatter proposisjonen flere ting enn det vi er forpliktet til å adressere, noe flere, bl.a. talsmenn i både Høyre og Fremskrittspartiet, har vært inne på, f.eks. å inkludere i overgangsordningen anlegg med effekt under 10 MW med byggestart etter Vi har – nettopp for å skape den forutsigbarheten for aktører som ser at de kan bli ferdige med et anlegg i 2020, men frykter at de går over datoen – sagt at vi ønsker å tillate at også anlegg som kommer i produksjon etter 1. januar 2021, kan kvalifiseres til å delta i ordningen. Vi har fremmet forslag om – og kommer til å få flertall for – å frita også norske oljeraffinerier på Slagentangen og Mongstad for sertifikatplikt. Svenske raffinerier har ikke sertifikatplikt, og det samlede skatte- og avgiftsnivået for norske raffinerier indikerer at vi er nødt til å lette deres byrde når det gjelder offentlig pålagte utgifter, for at de skal kunne overleve over tid, få ordentlige konkurransevilkår over tid, sammenlignet med anlegg andre steder rundt Nordsjøen. Så hører jeg at mange har vært bekymret for situasjonen i Sverige. Det er helt riktig – kanskje ingen har sagt det, men jeg har sagt det noen ganger – at vi, den norske regjeringen, var ikke veldig opptatt av å øke ambisjonene i det felles norsk-svenske sertifikatsystemet fra 26,4 TWh til 28,4 TWh, men basert på at vi over årene har hatt et langt og tillitsfullt og godt samarbeid med våre svenske kolleger, uavhengig av hvilken regjering vi har hatt i Norge – og i Sverige, for den sakens skyld så vi benyttet muligheten til også å forhandle med svenskene om at de skulle fjerne det elavgiftsfritaket som tidligere har gjeldt for vindkraft, stor vindkraft, i Sverige. Det var vi opptatt av nettopp for å skape jevnere konkurransevilkår mellom norske og svenske store vindkraftprosjekter. Det forslaget den svenske regjeringen har spilt over til Riksdagen, gikk mye lenger enn det vi har bedt om, og jeg oppfatter at det er det som har vært debatten i det svenske ordskiftet og blant svenske parlamentarikere, ikke det vi har bedt om, nemlig nemlig at elavgiftsfritaket for stor vindkraft skal fjernes. Så har jeg notert meg at den svenske regjeringen nå har valgt å trekke tilbake den første proposisjonen og har sagt at de vil gå tilbake til Riksdagen i to forskjellige proposisjoner, med heving av nivået for elsertifikatordningen i én sak og opphevingen av elavgiftsfritaket i en annen sak. sak. Det som mange, inkludert saksordføreren, har vært inne på og pekt på, er at det selvfølgelig er en forutsetning for hele avtalen at alle deler blir fulgt opp av begge land. Så ble det vist til Tord Liens energipolitikk. Nå fører Tord Lien ikke noen privat energipolitikk, selv om mye kunne tyde på det her i stad. Tord Lien forsøker så godt han kan å styre regjeringens energipolitikk. Men det er altså sånn at sertifikatordningen er etablert av de rød-grønne, sammen med Sverige. Jeg er glad for at de rød-grønne partiene i all hovedsak slutter opp om de endringene vi i dag tar til orde for. Vi fjerner altså usikkerhetsmomentet for et anlegg som kanskje er prosjektert til å være ferdig i oktober i 2020, men som blir ferdig i mars 2021. Med det regimet som lå til grunn før vi tok over, ville ikke et anlegg som ble ferdig i mars 2021, fått en eneste øre i grønne

at man får fem års avskrivingstid også på norske vindkraftprosjekter, som man har hatt i Sverige i de senere år, og som har bidratt stort til at en god del av anleggene har havnet i Sverige. På en lang rekke punkter har vi styrket situasjonen for utbygging av fornybar kraft-prosjekter, og derfor er det to ting jeg er glad for. Det ene er at det fortsatt er sånn at at det fortsatt er sånn at det bare er én av fire aktører på Fosen som har sagt at dette prosjektet ligger dødt, at de ikke ønsker å gå videre med prosjektet. Derfor synes ikke jeg at Stortingets representanter skal erklære dette prosjektet gravlagt. Det er faktisk fortsatt en del krefter som jobber for å realisere dette store prosjektet. At det har blitt vanskeligere fordi Statkraft har gått ut av det, tror jeg ingen skal legge skjul på, men det jobbes fortsatt med det, og det kan fortsatt bli realisert.

kan gå inn overfor Statnett og påse at de ikke fatter negativ beslutning neste uke. Vil statsråden kunne gjøre det? Som representanten Eva Kristin Hansen vil være kjent med, er relasjonen mellom disse foretakene og statsråden regulert i lov vedtatt i Stortinget. Så har jeg merket meg at nå i vår har mitt departement behandlet en søknad fra Statnett om å få utsatt iverksettelsen av en sentralnettlinje fra Namsos til Snillfjord og videre sørover til 2028 – til 2028. Det signalet tenker jeg taler for at Det signalet tenker jeg taler for at Statnetts styre nok ikke føler at de har veldig hast med å skrinlegge dette prosjektet nå. Det er slik at forsyningssituasjonen i Sør-Trøndelag er god – i hvert fall når Ørskog–Fardal blir ferdigstilt, vil forsyningssituasjonen i Sør-Trøndelag være god – og i likhet med Statnett vurderer vi det slik at denne sentralnettlinjen er det ingen prekær hast med å få på plass.

og som sagt er jeg ikke veldig bekymret for at Statnett nå i juni 2015 skal gjøre beslutninger om en kraftlinje som myndighetene og Statnett vurderer at vi ikke trenger å ha på plass før i 2028.

der satsene er ulike, alt etter graden av modenhet i teknologien som blir tatt i bruk. Her i Norge har vi foreløpig en teknologinøytral ordning for elsertifikat. Er det vurdert av statsråden og departementet om vi også kan gå over til en gradert ordning slik som det er i Skottland, og i så fall: Er det gitt åpning for at man kan få sånne endringer innenfor avtaleperioden med Sverige om felles elsertifikatmarked? Støtteordningen ligger fast fram til 2020. Dette er en av de tingene vi skal diskutere her i Stortinget i forbindelse med framleggelsen av energimeldingen, men det er også perioden etter 2020 vi da skal diskutere. Så leser vi at vi har hatt stor suksess med vår havvindsatsing. Vi har satset målrettet på demo, på forskning og på utvikling. Det gjør at Statoil, Statkraft og Fred. Olsen Energi er blant de største aktørene i Europa innen havvind. Det vil jeg kalle en stor suksess. Når det gjelder Storbritannia: Vi har ren fornybar vannkraft som forsyner vårt fantastiske kraftsystem med den energien vi trenger. I Storbritannia har de atomkraftforsyning, som blir stadig dyrere. de atomkraftforsyning, som blir stadig dyrere. De har kullkraft, som medfører betydelige klimagassutslipp, og som kommer til å bli dyrere etter hvert som karbonutslipp vil bli dyrere. Så de har et helt annet syn på behovet for å subsidiere kraft langt tyngre enn det vi har, det har jeg stor forståelse for. Vi har ikke noe behov for å erstatte

kan garantere oss at vi ikke kommer opp i diskusjoner om å ha en annen linjeføring gjennom Trøndelag, for den diskusjonen har vi hatt tidligere, og den diskusjonen kommer bare til å føre oss ut i nye runder der vi ikke klarer å ta beslutninger, og der det blir konflikter. Nå har det blitt tatt en beslutning om at det skal føres en linje gjennom Fosen og nedover til Snillfjord. Kan statsråden garantere at vi ikke får annet trasévalg for linja framover? Det er det ene av et todelt spørsmål. Det andre er: den kapitalen kan trekkes tilbake? Det finnes eventuelt ulike måter å gjøre det på.
Som representanten Arnstad er godt kjent med, er det en annen statsråd som har ansvaret for eieroppfølgingen til Statkraft. Virkelighetsforståelsen i beskrivelsen av hva som var temaet da man diskturte kapitaltilførselen, deler jeg fullt og helt. Det var ingen tvil om at en del av det var behovet for kapital til å styrke fornybar kraft-produksjonen i Norge, Norge, og Fosen/Snillfjord var en del av det bildet. Men konsekvensene av dette må man spørre næringsministeren om. Når det gjelder Fosen/Snillfjord, kan jeg bare svare nei på spørsmålet. Det er ikke sånn at vi kan garantere det trasévalget. Konsesjonen er tvert imot gitt under forutsetning av at det realiseres 1 000 MW, av Senterpartiets Ola Borten Moe i forrige periode. Så blir ikke disse parkene realisert, er det heller ikke grunnlag for den konsesjonen som er gitt. gitt. Da må man vurdere nye løsninger for sentralnettutviklingen i regionen og mellom Vestlandet og Nord-Norge. Statsråden slår tydelig fast at spørsmålet om utbygging eller ikke på Fosen og

med at Statkraft sier at prisen framover blir for lav til å forsvare investeringer kommersielt? Hva gjør han med at det er usikkerhet om elsertifikatprisen? Man kan få en overinvestering som kan gjøre at prisen kan komme til å gå mot null, på samme måte som da sertifikatmarkedet i EU, altså CO2-sertifikatmarkedet, kollapset i 2007. Hva har statsråden tenkt å gjøre med disse to tingene, som tross alt er bunnplanken for om man får investeringer eller ikke? Jeg er litt usikker på om jeg har skjønt spørsmålene. På den ene siden er man bekymret for en overoppfylling av målene som er satt, og da har man levert – og mer enn det – 26,4 TWh, eller 28,4 TWh, som det sannsynligvis vil bli. Da har vi levert på målsettingen i ordningen. Så ser man at det gjøres investeringer. Vi ser at Statkraft er en stor og kompetent aktør. Men vi ser at andre aktører ikke deler Statkrafts skepsis til summen av kraftprisutvikling og sertifikatprisutvikling. Sertifikatordningen er skrudd sammen av den rød-grønne regjeringen, sammen med datidens svenske regjering. regjering. Jeg mener at jeg har pekt på en god del tiltak vi har gjort for å forbedre lønnsomheten og for å redusere risiko under vår regjeringsperiode. Men rammen for ordningen ligger som den ble etablert og vedtatt av Stortinget i forrige periode – den ligger fast.
Jeg får bare bekreftet mitt inntrykk, som jeg også sa i mitt innlegg, nemlig at statsråden vender det døve øret til til advarslene om at man har både en risiko for lavere pris og en risiko for usikkerhet om sertifikatmarkedene. Derfor stiller jeg spørsmålet – veldig enkelt og veldig tydelig: Har Tord Lien noen plan for å sørge for at prisen på strøm i Norge kan økes i tiden sånn at vi får flere investeringer? Er det overhodet noe statsråden har et ønske om? For det første: Det har aldri vært satset så mye på å styrke konkurransekraften til norsk industri som man gjør nå. Samtidig har vi gitt konsesjon til kabler til både Storbritannia og Tyskland. Dermed har den kraftproduserende industrien tilgang på et sterkere marked. Vi har redusert avskrivingstiden og dermed styrket lønnsomheten kraftig for denne typen anlegg. Vi ser også at det faktisk blir gjort investeringsbeslutninger. Senest for under en måned siden vedtok TrønderEnergi å bygge i Skomakerfjellet, med en kostnad på 120–130 mill. kr i investeringer. Det er ikke ubetydelige beløp, så vi ser at det skjer ting. I tillegg satser vi på både å elektrifisere mer transport og å bruke fornybare energikilder til

og vi har et stort potensial for småkraftproduksjon. For å utløse dette potensialet må vi satse på nettutvikling. Det skal bygges nett for 100–120 mrd. kr de neste årene. Dette er et enormt løft for nettselskapene – og for forbrukerne, kan vi legge til – men det vil kunne legge grunnlag både for nytt verdiskapende forbruk av kraft og for ny produksjon av kraft. Elsertifikatmarkedet vil bidra til å utløse 28,4 TWh frem mot 2021. Om dette kommer i Sverige eller i Norge, spiller liten rolle for norske forbrukere. Men det spiller en stor rolle for norsk næringsliv, norske teknologimiljøer og arbeidsplasser i Distrikts-Norge, hvor satsingen realiseres. Derfor har regjeringen tatt en rekke grep for å sikre at Norge tar en større andel av økningen i fornybar produksjon, grep som bransjen har etterlyst i mange år, men som først blir gjennomført av denne regjeringen. Statsråden nevnte de fleste av dem, så jeg skal ikke gå inn på det. Samtidig er den største utfordringen for ny fornybar produksjon at kraftprisene forventes å være lave i mange år fremover. Vi hadde alle store forventninger til at Statkraft skulle bidra til å realisere Norges største vindkraftpark på Fosen. Skuffelsen var derfor stor da det ble kjent at styret ikke ønsket å fatte investeringsbeslutning. Fosen-prosjektet kan bli den største enkeltinvesteringen i Midt-Norge noensinne. Lave kraftpriser er en viktig del av Statkrafts begrunnelse. Fosen-prosjektet kan likevel bli realisert. I en tid med lave renter er investorer verden over på jakt etter prosjekter som gir bedre avkastning enn banken, til moderat risiko. Det er også verd å merke seg at TrønderEnergi og Agder Energi har andre vurderinger enn Statkraft med hensyn til vindkraft i Norge. Det er derfor altfor tidlig å fastslå at Fosen ikke blir realisert. Samtidig skal vi ta på alvor de utfordringene sertifikatmarkedet har for kraftprisene i Norge og i Norden. Kraften har bare en verdi dersom den kan anvendes. Det er, slik jeg vurderer det, tre hovedområder der vi kan anvende mer strøm. For det første må fossil energi erstattes av fornybar energi i alle sektorer der dette er mulig og hensiktsmessig. Her skjer det svært mye allerede som over tid vil ha en effekt. Fyring med fossil olje i husholdningene og til grunnlast i øvrige bygg blir forbudt fra 2020. Transportsektoren er i startfasen av et omfattende grønt skifte der elektrifiseringen av bilparken er godt i gang. De første elektriske bussene er i drift i Stavanger, og Ruter i Oslo har varslet at de ønsker å satse på denne teknologien fremover. All kollektivtransport i Norge skal være fossilfri i 2025, i Oslo allerede i 2020. Den første elektriske fergen, med 85 pst. lavere driftskostnader enn den fossile forgjengeren, er i drift på Vestlandet. Landstrøm for skip fases inn i større byer. Det er også et stort potensial for elektrifisering av kystfiskeflåten. Dette er en begynnelse på noe som over tid vil kreve mer strøm. Elektrifisering av Utsirahøyden vil også bidra. For det andre ligger alt nå svært godt til rette for etablering av ny miljøvennlig industriproduksjon i Norge. Svekket krone, en generøs

For det tredje må vi satse på mellomlandsforbindelser. Regjeringen har gitt konsesjon til to nye mellomlandsforbindelser, til Storbritannia og Tyskland, og det kan komme flere i fremtiden. Norge kan aldri bli Europas batteri, men vi kan spille en større rolle i kraftmiksen i våre naboland. Kraften må som sagt anvendes hvis den skal ha en verdi. Det hjelper lite å be om betydelig økt produksjon av fornybar energi hvis ikke den skal brukes til noe. Det vil kun gi fallende inntekter og sette kraftkommunene i Norge i en svært uvant og krevende situasjon. Allerede ser vi at inntektene reduseres kraftig for denne næringen. Det er ingen tjent med. Prisene må være lave nok til at vi beholder og videreutvikler norsk industri, men samtidig må de være høye nok til at det lønner seg å videreutvikle kraftbransjen som næring i Norge. Det er også viktig at vi satser på forskning, utvikling og demonstrasjonsanlegg for ny teknologi innen fornybar energi. Enovas og Innovasjon Norges evne til å satse på dette er betydelig forbedret under denne regjeringen, og det vil forhåpentligvis gi gode resultater. Det kan også gi gode muligheter for offshoreleverandører som i disse dager trenger flere bein å stå på. Eg er

Dei grove løftebrota frå den raud-grøne regjeringa sette sinna i kok både hos småkraftutbyggjarane og blant opposisjonspartia her på Stortinget i førre stortingsperiode. Situasjonen for svært mange av småkraftverka som ikkje fekk dei lova sertifikata, har vore at dei har slite med dårleg økonomi. Mange har også hatt problem med likviditeten, og fleire har måtta gå inn med ytterlegare eigne midlar for å halde drifta gåande. I Sogn og Fjordane såg vi eit godt døme på dette då eigarane av Sværen kraftverk blei tvinga til å selje kraftverket sitt sist haust. Eg vil gå inn på litt av historia bak kampen for grøne sertifikat for småkraftverka. Då Stortinget diskuterte ordninga med grøne sertifikat i 2004, uttalte ein samrøystes energi- og miljøkomité: «Komiteen mener det er avgjørende viktig at investeringer i ny i påvente av et slikt marked, og komiteen legger til grunn at alle som investerer i prosjekter fra og med 1. januar 2004, og som ellers vil bli tilkjent grønt sertifikat, får det.» Representantane i komiteen frå Arbeidarpartiet, SV og Senterpartiet kom med følgjande forslag: «Stortinget ber Regjeringen legge frem det nødvendige lovforslag om innføring av et pliktig norsk-svensk sertifikatmarked så snart som mulig. Alle anlegg med byggestart etter 2004 og som kvalifiserer for det, må kunne omfattes av ordningen.» Eg vil også referere ein e-post som kom frå ein Senterparti-statssekretær i Olje- og energidepartementet den 3. mars 2008, til ein partikollega i Senterpartiet: «Gode partikollega. Du kan ta det helt med ro. Det som er sagt fra tidligere statsråder og i stortingsmelding nr 11 om at anlegg satt i drift etter skal kunne komme inn i ordningen med grønne sertifikat hvis de ellers tilfredsstiller kravene, står fast. Det er vårt krystallklare standpunkt når vi går inn i forhandlinger med Sverige om et felles marked for grønne sertifikat. Det er heller ingen signaler fra svensk hold så langt om at det skal by på problemer. Dette har jeg også formidlet til Småkraftforeningen i dag, 3. mars. Vi har stor tro på at vi skal kunne bli enig med svenskene om et felles marked for grønne sertifikat. Vi er opptatt av forutsigbare og gode rammevilkår for utbygging av fornybar energi. Hvis vi skal nå våre klimamål må vi ha en sterk satsing på fornybar energi framover. Småkraft er en helt sentral del av denne satsingen. Småkraft er også en viktig del av vår strategi for å bygge opp en ny, framtidsretta energibransje i distrikts-Norge. Håper dette var oppklarende. Og at du nå kan kjenne deg trygg på at partiet ditt fortsatt er til å stole på.» Det kan ikkje vere tvil om at alt dette er sterke lovnader både frå eit samla storting og frå raud-grøne politikarar. Sist denne saka var til handsaming i Stortinget, var det på bakgrunn av eit Dokument 8-forslag frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti og Venstre i juni 2013. Då var det ikkje grenser for kor negative representantane frå regjeringspartia var mot forslaget om å sjå på ordninga med grøne sertifikat til småkraftutbyggjarane på nytt. Komitéleiaren i energi- og miljøkomiteen, Erling Sande, sa at «dei ikkje har tenkt å gjere noko med denne ordninga sjølv om dei skulle få regjeringsmakt til hausten. Då fell mykje av den kritikken ein har utsett regjeringa for, til jorda». Statsråd Ola Borten Moe sa følgjande: «Det er etter mitt skjønn valgflesk av verste sort, og det setter stabiliteten til en hel og viktig næring på spill.» I dag har vi fasiten. Regjeringspartia og samarbeidspartia får på plass ei ordning som gjer at 240 småkraftverk kjem inn i ordninga med grøne sertifikat, og det er ikkje tvil om at regjeringspartia og samarbeidspartia har levert med omsyn til å rette opp dei grove løftebrota frå den raud-grøne regjeringa. I dag sikrar dei same partia også at vi rettar opp dei grove løftebrota overfor dei kraftverka som er over 10 MW, og eg har gleda av å seie at Høgre vil stemme for

at dette ikke er nok, fordi man også har situasjonen med Statkraft og Fosen. Det som er viktig, er at vi må ta inn over oss at prisene er lave, og det vi trenger å forsterke nå, er å ta i bruk den ekstra fornybare energien som vi har. Vi må bruke den mer effektivt enn det vi har klart til nå. nå. Da er det fire områder, hvor det ene er, som flere har sagt, at vi må redusere utslippene i Norge ved å ta kraften i bruk. Transportsektoren er kanskje det vanskeligste området, men det er et område hvor vi er nødt til å gjøre store framskritt for å nå de målene vi har satt oss, med utslippsreduksjoner fram mot 2030. Jeg tror det er viktig at vi ikke skal se på dette bare som vanskelig, men også som en stor mulighet for Norge, ikke minst innenfor skipsfart, når det gjelder å utvikle den nye teknologien, at vi også kan ta steg for å ligge foran og være et eksempel internasjonalt, men at dette også kan utnyttes av norsk næringsliv. næringsliv. Så er det jo det vi må klare mer av, og vi vil snart gjøre viktige vedtak når det gjelder elektrifisering av sokkelen. Vi står foran et vedtak om Johan Sverdrup, som er viktig. For Venstre er det viktig å se på om dette kan gjøres i større omfang i årene framover. Vi trenger også strømkabler til utlandet, så vi er en del av en europeisk løsning. Vi må også ta inn over oss at det at vi nå har mye fornybar energi, er en mulighet for norsk industri, både for tradisjonell norsk industri og også for nye områder, som det er blitt nevnt her, f.eks. de grønne datasentrene. Når man driver med politikk, er det viktig at man skal si ikke bare det man mener, men man skal også gjøre det man sier, og for Venstre har dette også vært en sak hvor man har ryddet opp i det som har vært en lovnad som går tilbake til 2004. Det er viktig at vi nå får de kraftverkene som er på under 10 MW, inn i elsertifikatene, noe som var et tydelig uttalt mål den gangen. I Venstre må vi gå hele steget, så vi har sammen med Kristelig Folkeparti lagt inn et forslag om at det også er de over 10 MW som omfattes av den samme uttalte politikken fra den gangen. Jeg er veldig glad for at det nå kan se ut som vi kan få flertall for det forslaget, sånn at det kapittelet kan legges bak oss, og vi har utkvittert en politisk lovnad og en politisk forpliktelse som har vedvart i mange år. Så til slutt: Det er klart at én ting er å få produsert mer fornybar energi i Skandinavia, i Norge og Sverige. Det gjør vi med de grønne sertifikatene. Men den situasjonen vi nå har på Fosen, viser at det er skjær i sjøen som vi nå må ta tak i. i. Det er viktig for oss at vi ikke bare ser på volumene, men også på hvordan vi utvikler ny teknologi innenfor den fornybare næringen, og ikke minst i den situasjonen vi er i nå, å legge til rette for å ta opp pilotprosjektet innenfor det som er havvind, det som er bølgekraft, det som er tidevann. Er det ett tidspunkt som er viktig å dra dette i gang på, må det være nå, og vi må bygge opp et rammeverk omkring disse feltene som gjør at de kan – ikke nødvendigvis for at vi trenger mer fornybar energi i Norge, her er vi i ferd med å få et kraftoverskudd, men for å utvikle en ny teknologi og også muligheter og et marked for norsk næringsliv. De talere som heretter får ordet, har en

Jeg er dypt uenig med statsråden i dette. Jeg mener vi er i en alvorlig situasjon for fornybarsatsingen i Norge gjennom at Statkraft nå sier at Fosen skrinlegges. Grunnen, som sagt i mitt innlegg, er at de regner med at prisene blir lave i tiden som kommer. For egen regning vil jeg si: Jeg ser ingenting i det statsråden sier, som viser en ambisjon om å ta kraften i bruk i større grad enn i dag til å erstatte fossil energi. Dermed vil vi heller ikke klare å se en økning i prisen, som kommer til å gjøre flere norske fornybarinvesteringer lønnsomme. Det beklager jeg. Jeg beklager det først og fremst på klimaets vegne – fordi det for klimaet har vært viktig å fase ut den fossile energibruken, som står for mer enn halvparten av all energibruk i Norge, det vil være viktig å bruke den nye fornybare energien til å erstatte denne. Det vil jeg si var hele begrunnelsen for at i hvert fall mitt parti, og jeg vil anta også sentrumspartiene og flere andre partier, var opptatt av å få på plass de nye grønne sertifikatene: Kraften skulle brukes til å erstatte fossil energi. Det ser vi ingenting av, og det bekreftes jo gjennom at regjeringspartiene stemmer imot forslag om at det i energimeldingen skal lages en plan for å bruke kraften til å erstatte den fossile energien. Det andre jeg derfor vil påpeke, er at statsråden sier at han gjør så godt som han kan med å føre regjeringens politikk. Vel, da lykkes han enten formidabelt dårlig med å føre en god politikk, eller så lykkes han veldig godt med å føre en dårlig politikk. For resultatet er uteblitte investeringer, og det er det vi er opptatt av. så lykkes han veldig godt med å føre en dårlig politikk. For resultatet er uteblitte investeringer, og det er det vi er opptatt av. Jeg er glad for at Nikolai Astrup nevner en haug med tiltak, som alle sammen ble påbegynt under den rød-grønne regjeringen. Både tiltakene med igangsetting av kraftkabler til utlandet – planleggingen begynte under vår regjering, konsesjonen ble gitt av denne – og vedtaket om grønne sertifikater ble gjort under vår regjering. Vedtakene som ligger knyttet til hvilke ambisjoner vi Jeg må si at jeg synes det forslaget som er kommet, og som blir vedtatt av regjeringspartiene og sentrumspartiene, er altfor lite ambisiøst, når de holder fast ved de samme ambisjonene som vi hadde i 2012. De burde vært mye mer ambisiøse. SV har gått inn for at ni av ti biler burde være fossilfrie. Jeg er skuffet over statsråden. Jeg tror at energibransjen er det samme.

hvordan en skulle ta kraften i bruk, la han manuset ned, gikk opp og var opprørt over problemstillingen. Det er jo det det handler om. Når vi produserer mer fornybar energi, må vi også ta i bruk kraften. For som representanten Astrup sa, må en finne balansen på prisen. Derfor er jeg glad for at han også understreker de tiltakene som regjeringen er i gang med, og som han ønsker. Jeg vil også understreke, i likhet med flere, det som jeg hadde interpellasjon om her for ikke lenge siden: Grønne datasentre er en kjempenæring som vil vokse enormt, og vi har store muligheter for å kunne lokalisere flere av datasentrene i Norge. Et 100 MW-datasenter vil kreve kanskje opp mot 1 TWh, og det vil bety enormt mye, også for å kunne få økt produksjon. Det andre er at jeg synes representanten Lødemel hadde et glimrende innlegg der han beskrev historien når det gjelder elsertifikatene. elsertifikatene. Jeg satt også i dag og leste gjennom debatten om representantforslaget som vi hadde her i juni 2013, og «valgflesk av verste sort» var et uttrykk som ble brukt. Jeg husker selv at jeg understreket at jeg opplevde det som et moralsk ansvar for Stortinget å rette opp den uretten som var begått mot dem som på daværende statsråd Steensnæs´ og mitt eget partis ord, eller Stortingets ord, hadde investert selv om det så ut som det ble skjøvet ut med elsertifikatene – fordi vi ønsket at investeringene skulle komme. Og så valgte vi å ikke involvere dem i ordningen likevel. Derfor vil jeg gi en stor honnør til regjeringa og til statsråden for å ha gjort den jobben som de har gjort, og stor honnør til representantene Lødemel og Grimstad, som jeg vet har presset hardt på for å få det til. At vi sammen i dag også inkluderer de over 10 MW gjennom dette forslaget, synes jeg er Stortinget verdig.

Det er selvfølgelig krevende for dem som har jobbet over år med å realisere det prosjektet, men når situasjonen beskrives som alvorlig, har jeg lyst til å minne om det jeg startet med: Vi har en kraftforsyning i Norge som er 100 pst. fornybarbasert. Det er slik at den forrige regjeringen la fram for Stortinget et mål om 67,5 pst. fornybar den forrige regjeringen la fram for Stortinget et mål om 67,5 pst. fornybar energi i det totale energikonsumet innenfor rammen av EØS-avtalen, altså i Fastlands-Norge. Det målet ligger vi veldig godt an til å nå, bl.a. på grunn av tung satsing på fornybar energi i oppvarmingen av hus, utfasing av oljefyring, elektrifisering av

Jeg synes komitéleder Elvestuen holdt et godt innlegg om hva regjeringen sammen med våre støttepartier jobber med. Jeg har også, før jeg glemmer det, lyst til å takke både støttepartiene og de andre partiene som sørger for at vi får et stort flertall bak alt vi har lagt fram i dag. Vi jobber med å elektrifisere transport. Johan Sverdrup-utbyggingen kommer til å bli den største kraft-fra-land-løsningen noensinne. At representanten Eidsvoll Holmås står her og er opprørt over at de andre feltene på Utsira ikke blir elektrifisert fra 2017 når det er utbyggingstillatelser som er gitt under hans regjeringstid, det er oppsiktsvekkende. er oppsiktsvekkende. Vi legger til rette for å eksportere kraft til noen av de mest kullfyrte økonomiene i verden – Storbritannia og Tyskland. Det er ikke bare god klimapolitikk, det er også sinnsykt lønnsom kraftpolitikk. Vi legger til rette for at industrien i Norge skal

Som en del av nemndas virke har Ombudsmannsnemnda i 2014 gjennomført fem befaringer, og det var ved følgende anlegg: Krigsskolen for Hæren på Linderud i Oslo Luftforsvarets skolesenter på Kjevik ved Kristiansand 139 Luftving / Bardufoss flystasjon i Målselv 131 Luftving / Luftforsvarets stasjon i Sørreisa Hans Majestet Kongens Garde på Huseby i Oslo Komiteen har merket seg at Ombudsmannsnemnda på sine befaringer har erfart mye positivt. De har opplevd gode ledere med tydelige holdninger, stor arbeidsvilje og et godt arbeidsmiljø. Dette ble spesielt fremholdt av de tillitsvalgte ved avdelingene, blant både ansatte og vernepliktige. Det er svært gledelig å høre om både god ledelse og godt arbeidsmiljø, da dette er de fremste forutsetningene for å produsere gode tjenester. Ombudsmannsnemnda har for 2014 pekt ut fem områder som nemnda vil gi spesiell oppmerksomhet: Det ene er eiendommer, bygg og anlegg, eller EBA, som det ofte blir benevnt som samlebegrep. Ved en del sentrale anlegg oppleves bygningsmassen fortsatt som nedslitt og uegnet, noe som igjen er en stor belastning for personellet som bruker vedkommende bygninger. Det er imidlertid blitt gjort en rekke påkrevde moderniseringer når det gjelder forlegninger, messer osv. Fra komiteens side forutsettes det at Forsvaret fortsatt holder trykk på dette området. Et annet tema er innføring av allmenn verneplikt fra 2015. For å lykkes med dette er det behov for en ekstra innsats, da det ved flere etablissementer er trangboddhet og også betydelige mangler. Her må det tilrettelegges med flere kasernerom, garderober og sanitærrom, slik at begge kjønn får tilfredsstillende boforhold. Det er gjort en del midlertidige tilpasninger, men det sier seg selv at dette ikke er en holdbar situasjon i det lange løp. Et annet forhold er å få utstyr som er tilpasset kvinner, dette gjelder både personlig bekledning og utrustning. Komiteen forventer at Forsvaret følger opp dette. Stadige omstillinger i Forsvaret vanskeliggjør rekruttering, spesielt av kompetansekrevende personell. Komiteen finner dette bekymringsfullt, spesielt fordi Forsvaret benytter avanserte våpensystemer som det tar lang tid å utdanne og oppgradere personell for. Komiteen forutsetter derfor at det treffes tiltak for å beholde kritisk viktig personell spesielt utdannet for å ivareta Forsvarets våpensystemer. Komiteen har merket seg at Forsvarsdepartementet har besluttet konkurranseutsetting av renholdstjenesten i Forsvaret. Komiteen forutsetter at Forsvaret ivaretar de ansattes rettigheter på en god måte ved overføring av dette oppdraget til andre. Komiteen vil, i likhet med Ombudsmannsnemnda, vise til at konkurranseutsetting av denne tjenesten kan by på enkelte sikkerhetsmessige utfordringer, spesielt ved sårbare anlegg. anlegg. Det forutsettes derfor at dette blir viet spesiell oppmerksomhet ved planleggingen av konkurranseutsettingen. Tidligere har Ombudsmannsnemnda pekt på diverse svakheter i behandlingen av og støtten til våre veteraner. I innberetningen for 2014 er dette temaet belyst, og jeg siterer: «Ombudsmannsnemnda er glad for det betydelige arbeidet som stadig styrkes, og at vi som nasjon i stadig sterkere grad erkjenner det viktige arbeidet som er gjort, og som gjøres av norsk personell. Siste handlingsplan viser en rekke betydelige punkter og ordninger som bidrar til økt oppmerksomhet og bedre ivaretagelse av veteranene og deres miljø.» Jeg finner det på sin plass å gi honnør til Forsvaret for å ha tatt tak i dette området, slik at vi nå ser en bedring i arbeidet med ivaretakelse våre veteraner. Som siste punkt vil jeg dvele noe ved arbeidet med sikkerhetsklarering av personell i Forsvaret. I tillegg til at Ombudsmannsnemnda tar dette opp som et av sine fokustema i sin årlige rapport, har Ombudsmannsnemnda tilskrevet kontroll- og konstitusjonskomiteen spesielt i eget brev. Mellom 8 000 og 9 000 kvinner og menn avtjener førstegangstjenesten i Forsvaret. Av oppgavene som skal utføres, er ca. 90 pst. av en slik karakter at personellet som skal utføre dem, må sikkerhetsklareres. Når det gjelder soldater med dobbelt statsborgerskap og soldater med foreldre av utenlandsk opprinnelse, har det lenge vært et problem å sikkerhetsklarere disse. Innhenting av data fra utlandet er et problem, og spesielt fra nasjoner vi ikke har samarbeid med. Men også for etnisk norske er det i dag problemer knyttet til tiden det tar å få sikkerhetsklarering. For befal som har mistet sikkerhetsklareringen, er problemet om mulig enda enda større. I mellomtiden får de ikke utført de oppgavene de er ansatt for å gjøre. Enhver kan tenke seg hvilken belastning dette er på personellet, og en treg sikkerhetsklarering kan få negativ virkning på den allmenne oppslutningen om verneplikten. Dette i seg selv er alvorlig. Når Ombudsmannsnemnda for Forsvaret har mottatt klage fra flere offiserer som mistet sin klarering i 2013, og som fremdeles ikke har fått endelig avgjørelse, er det noe som er fullstendig galt med denne tjenesten. Komiteen viser til at Ombudsmannen for Forsvaret ved flere anledninger har tatt denne saken opp med Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvarets sikkerhetsavdeling, uten at det har medført nevneverdig bedring av saksbehandlingstiden. Ettersom dette er en sak som har vært en gjenganger, ba komiteen i fjor om at Ombudsmannsnemnda rapporterte om hvordan utviklingen har vært vedrørende sikkerhetsklarering av personell, og det er nedslående at nemnda også i år må rapportere at det ikke har skjedd noen nevneverdig bedring i dette forholdet. Det er nå etterretnings- og sikkerhetsutvalget, EOS, som behandler klager vedrørende sikkerhetsklarering, jeg viser derfor også til neste sak med tilsvarende merknader vedrørende sikkerhetsklarering, i innstillingen til Dokument 7:1, som gjelder EOS-utvalgets årsmelding for 2014, og som tar opp samme problemstilling vedrørende sikkerhetsklarering som i denne saken. Komiteen forventer nå at det for alvor blir tatt tak i problematikken vedrørende sikkerhetsklarering, og at man sørger for å gi NSM og FSA tilstrekkelig kapasitet, eventuelt setter i verk andre forbedringstiltak, slik at arbeidet med sikkerhetsklarering av soldater og ansatte i Forsvaret

Men la meg først si at det er komiteens oppfatning at meldinga fra Ombudmannsnemnda denne gangen er veldig god. Den er veldig gjennomarbeidet, den er veldig systematisk, og den gir oss et godt innblikk i hva som er bra, og hva som ikke er bra sett fra Ombudsmannsnemndas side. Jeg har lyst til å si det, for det er ikke alltid vi passer på å si slike ting, men jeg gjør det altså nå. Jeg ser at Ombudsmannen er her, slik at han får høre det direkte.

og at ledelseskulturen nå er mer i pakt med hva som er den moderne forståelsen av hvordan ledelse skal utføres, og det bekreftes av Ombudsmannsnemnda. Jeg klarer å huske noen år tilbake da dette var et av de store ankepunktene. Det er stort sett helt borte, det skal Forsvaret ha skryt for, og det er fint på alle måter. Så vil jeg si – dette er selvfølgelig en stor utfordring for regjeringa på mange vis, og ville vært det uansett hvem som hadde vært i regjering, så dette har ikke noe med det å gjøre – at når vi nå har vedtatt allmenn verneplikt, som saksordføreren sa, og vi skal ha kvinnene inn i Forsvaret, så må Forsvaret tilpasses det. Det er et stort prosjekt, som går helt fra det som tas opp i innstillinga her – som handler om toalettforhold, garderobeforhold og den type ting, som er selvfølgelige ting, men som i dag er veldig provisoriske mange steder, det kan ikke vedvare lenge – til tilpasning av våpen, uniformer og alt annet utstyr. Dette må selvfølgelig regjeringa legge veldig trykk på, og jeg regner med at statsråden kanskje også kommer inn på dette når hun får ordet litt senere. Jeg vet at dette ble sagt av saksordføreren, men jeg bare repeterer det. Så sier jeg bare én setning, til begge de to statsrådene som er til stede, og det er at jeg tror det er dekkende å si at det er et rettssikkerhetsproblem at vi har så lang ventetid sikkerhetsklarering. Nå har vi både forsvarsministeren og justisministeren her, og det er bra, for da hører de veldig tydelig dette. Dette vet de selvfølgelig veldig godt fra før, de kjenner problemstillingen. Det er sikkert sånn at det kan være gode argumenter for at det tar tid, også – jeg vil ikke si at så ikke kan være tilfellet, for det kan være mange sikkerhetsutfordringer som det er vanskelig å håndtere, og som nødvendigvis tar tid, men det kan ikke begynne å ta lengre tid enn det gjorde før,

må vente så lenge på sikkerhetsklarering at de ikke får gjort det, og enda verre da med befal eller andre, selvfølgelig, som ikke kan utøve sitt yrke fordi det tar for lang tid. Det tror jeg vi er helt enige om, men det er veldig fint at det blir håndtert. Så vil jeg til slutt bare nevne noe som det er veldig naturlig for meg å nevne, og som komiteen også er enig i – men det er en annen sak, så jeg tar ikke det opp nå ved denne anledning – og det gjelder det som knytter seg til at all vask i Forsvaret er konkurranseutsatt. Jeg bare ber statsråden om å være oppmerksom på det som sies både fra Ombudsmannsnemnda og i komiteens enstemmige innstilling, at man legger til grunn at reglene for virksomhetsoverdragelse følges, slik at vi ikke får en sosial dumping knyttet til vasketjenesten i Forsvaret, som selvfølgelig er en stor industri, med så mange kvadratmeter. Der må vi passe på at vi ikke får inn en arbeidskultur som går ut over arbeidstakerne, og som i neste omgang vil gå ut over sikkerheten.

Vi har i dag utgifter på ca. 300 mill. kr i året for renhold i forsvarssektoren. Det er mye penger, og vi søker alltid å bruke pengene våre på en mest mulig fornuftig måte. Vi har derfor sagt at Forsvarsbygg ikke lenger skal ha monopol på å levere disse tjenestene. Samtidig har vi lagt til grunn at det er en virksomhetsoverdragelse. Reglene skal følges. følges. Så har spørsmålet knyttet til sikkerhetsklarering også vært nevnt her. Det er helt åpenbart at personellet som skal vaske i Forsvarets lokaler, må ha sikkerhetsklarering. Det ligger fast, på samme måte som det har gjort tidligere. Det framgår av Ombudsmannsnemndas rapport at nemnda – som saksordføreren var inne på – opplever både gode ledere, med tydelige holdninger og stor arbeidsvilje, og et godt arbeidsmiljø. og et godt arbeidsmiljø. Det er godt å vite at dette er noe som framkommer fra flere hold, dvs. både fra de tillitsvalgte og fra ansatte og vernepliktige. Imidlertid tar rapporten også opp uheldige forhold. Jeg vil kort omtale de to viktigste nå. Både Ombudsmannsnemnda og EOS-utvalget tar i sine årsrapporter opp utfordringer knyttet til sikkerhetsklarering av særlig ungdom som skal avtjene førstegangstjeneste. Nesten alle stillinger som bekles av ungdommer i førstegangstjeneste, har etter hvert et så tungt militærfaglig innhold at det krever sikkerhetsklarering. Nesten 90 pst. av alle oppgaver krever sikkerhetsklarering. Her står man overfor et lite dilemma. I tidligere tider var det ikke slik, men det har vært et poeng for vekslende regjeringer å gjøre førstegangstjenesten mer relevant, med et større militært innhold. innhold. Det har den konsekvens at veldig mange av de oppgavene man skal gjøre, krever sikkerhetsklarering, også fordi man nå får tilgang til informasjon, arbeidsoppgaver, våpentrening og opplæring som krever at man har sikkerhetsklarering. Dette har imidlertid medført en betydelig saksmengde for våre klareringsmyndigheter. Jeg kommer mer i detalj tilbake til både status og tiltak knyttet til klarering i mitt neste innlegg, i forbindelse med EOS-utvalgets årsrapport. Jeg syns det for så vidt passer bedre å ta det i full bredde der. Jeg vil likevel bare nevne her at dette er noe vi jobber med, med stort trykk. Det er et mål at Forsvaret skal avspeile samfunnet, og det er viktig at vi rekrutterer ungdom med et mangfold av bakgrunner. Utfordringa er imidlertid at sikkerhetsklarering av personer med tilknytning til andre land er veldig kompleks og tidkrevende for klareringsmyndigheten. I noen tilfeller vil også tilknytningsgraden og det aktuelle landets sikkerhetsmessige betydning innebære at man ikke kan gi sikkerhetsklarering. Som komitélederen var inne på, er det særlig forhold knyttet til det å hente informasjon ut fra andre land som ofte er både vanskelig og veldig tidkrevende. Det gjør at sakene tar uforholdsmessig lang tid. I fjor fikk – som komiteen er kjent med – i overkant av 1 000 personer med relasjoner til land Norge ikke har sikkerhetssamarbeid med, brev fra Forsvarets personell- og vernepliktsenter om at de fikk fritak fra militærtjeneste i fredstid. Det var altså nye rutiner som ble innført av Forsvaret. I den forbindelse foretok Forsvaret ikke noen vurdering av hvert enkelt individ og hver enkelt person. Da dette ble kjent, ga jeg Forsvaret umiddelbart pålegg om å sikre individuell behandling av klareringsanmodningene og å starte sikkerhetsklareringsprosessen tidligere. Blant annet fikk de ungdommene som hadde mottatt dette brevet, et nytt brev i etterkant, hvor man tilbød, selvfølgelig, en individuell vurdering. Som man også har sett i media de siste dagene, er det nå en liten gruppe på ca. 25–30 personer som har havnet litt mellom alle stoler. De hadde mottatt et brev som helt klart framsto som en innkalling – det hadde overskriften «Du er innkalt til førstegangstjeneste». Det sto ingenting om et vilkår om sikkerhetsklarering, det sto noe om vandelsattest. Dette er ungdommer som hadde en berettiget tro på at de var innkalt til førstegangstjeneste og skulle møte til førstegangstjeneste, bl.a. i Gardeleiren, i juli 2015. Det som er viktig å understreke her, er at det har skjedd en feil i Forsvaret. Det har Forsvaret beklaget. De siste par dagene har man fått telefonisk kontakt med nesten alle. alle. De skal selvfølgelig flyttes fram i køen for sikkerhetsklarering. Dette er ungdommer som ikke hadde søkt på verken utdanning eller jobb, fordi de hadde fått en klar forståelse av at de var kalt inn til førstegangstjeneste. Slik skal det selvsagt ikke være. Derfor har Forsvaret jobbet veldig hardt de siste dagene for å få tak i disse. I tillegg har vi vært opptatt av at Forsvaret må utforme disse brevene på en annen måte. Det ene er at det må gå klart fram at det er noen vilkår for å kunne avtjene førstegangstjeneste, deriblant sikkerhetsklarering. Det andre er at vi for framtida også må sørge for at vi i brevene skriver at man parallelt med denne prosessen må søke på studier og jobb på vanlig måte, i tilfelle man ikke blir kalt inn til førstegangstjeneste, og slik at man ikke blir stående på bar bakke, som noen av disse har blitt. Det er det viktig at vi gjør noe med. Forsvaret har etter de endringene de gjorde i fjor høst, i tillegg gjennomgått hvordan sikkerhetsklareringsprosessen kan skje på en mer smidig måte. Det betyr at man nå søker å avklare dette med sikkerhetsklarering ved frammøte til førstegangstjeneste. søker å avklare dette med sikkerhetsklarering ved frammøte til førstegangstjeneste. For å imøtekomme dette starter den sikkerhetsklareringsprosessen som er nødvendig, på et mye tidligere tidspunkt, som en integrert del av sesjonsordningen. Det skal gi forutsigbarhet. Det som er et poeng i denne sammenhengen, er at det fra høsten av startes opp et forsøksprosjekt ved rekruttskolen på Kjevik, for å sørge for at sikkerhetsklareringsprosessen går langt raskere og parallelt med andre prosesser, slik at man, når man skal kunne rykke inn, også er sikkerhetsklarert – alternativt at man ikke har fått klarering dersom det ikke er grunnlag for det. 1. januar 2015 markerte starten på det jeg vil kalle en historisk samfunnsreform. Det å verne om landets interesser, verdier og territorium gjelder nå for alle norske borgere, uansett om det er menn eller kvinner. Arbeidet med å sikre at Forsvaret er forberedt på å ta imot vernepliktige kvinner og menn når de møter til tjeneste sommeren 2016, er godt i gang, men det er fortsatt utfordringer. Første fase i sesjonsprosessen er allerede gjennomført for 1997-kullet. Og jeg kan med glede meddele at det aldri har vært en høyere kvinneandel enn nå – 37 pst. kvinner på sesjon del Kvinner har, som vi vet, tjenestegjort i Forsvaret i veldig lang tid, så dette er ikke noe nytt. Men det er helt åpenbart at når man nå jobber for å bedre kjønnsbalansen og få inn flere kvinner av operative hensyn, må det også legges til rette for det. Forsvaret fokuserer nå på fem områder: kommunikasjon kompetansekrav og seleksjonskriterier eiendom, bygg og anlegg personlig bekledning og utstyr organisasjonskultur og ledelse Dette er alle viktige temaer, som Forsvaret jobber mye med for å sørge for at vi er klare til å ta imot, som forutsatt. Så vil jeg bare helt avslutningsvis nevne at vi de siste par–tre årene har gjort mange gode erfaringer i mange avdelinger i Forsvaret med bruk av fellesrom. Det kan nok høres litt noe som har gjort at man bl.a. opplever til dels mindre kjønnsdiskriminering i Forsvaret, fordi man er på helt like vilkår. Man opplever mindre trakassering. Det er veldig positivt. Det er også forsket mye på det, og vi bruker forskningsresultatene til å utforske dette ytterligere. Jeg syns det er en spennende måte å jobbe på. Det er også noe som har vist seg å fungere godt ved veldig ulike avdelinger. Det er helt frivillig – det er ingen som tvinges men for dem som velger å gjøre det, har det fungert veldig godt. Det er en av de tingene som vi kan bygge videre på i arbeidet med å gjøre Forsvaret klart for innrykk av flere kvinner. Flere har ikke bedt om ordet til sak

Det bidrar de til selv med den gode dialogen de legger til rette for, og ved å gjøre som EOS-utvalget heldigvis melder om igjen, å legge til rette for kontroll – ikke for hvert enkelt tilfelle, men på generell basis. Denne årsrapporten fra EOS-utvalget viser også at EOS-utvalget selv bidrar til det, og det viser utvalgets viktighet.

eller militære direktiver og ulovfestet rett.» I dag behandler Stortinget EOS-utvalgets årsrapport. Jeg skal redegjøre for komiteens merknader om den om et øyeblikk, men selv ikke Stortinget kan debattere saker i et vakuum. Demokratiet avhenger også av ytringsfrihet og kildevern. kildevern. Derfor må jeg kunne si at saken om konfiskering av en filmskapers materiale, som PST utførte her om dagen, vitner om et demokratisk kompass i de hemmelige tjenestene som trenger nytt batteri. Jeg vil vise til komiteens merknader, som er slanke i forhold til årsmeldingen. Derfor vil jeg understreke at formuleringen som komiteen har brukt, om at komiteen slutter seg til utvalgets vurderinger, betraktninger og anbefalinger, skal leses og forstås bokstavelig og helhetlig. I år har EOS-utvalget utført 25 inspeksjoner, og jeg vil si at det er et positivt trekk at et utvalg som arbeider så grundig og har så god oversikt over de hemmelige tjenestenes utøvelse av oppdraget, ikke har funnet grunn til uanmeldte inspeksjoner. Utvalget har derimot brukt veldig mye tid på klagesaker. Mange av dem knytter seg til sikkerhetsklarering, som fortsatt tar uforholdsmessig lang tid. Det går ut over oss som samfunn, men det rammer enkeltmennesker hardest – som men det rammer enkeltmennesker hardest – som vi var inne på tidligere. At en systematisk treghet så til de grader får alvorlige konsekvenser for den enkelte, er alvorlig. I tillegg er det et paradoks at dette er mennesker som venter på å få lov til å gi sin tjeneste til fellesskapet. Komiteen har framhevet særlig dette punktet. I 2013 uttalte utvalget at situasjonen var bekymringsfull. Og så får vi en rapport for 2014 som sier at situasjonen er forverret. Mye av det skyldes innføringen av nytt saksbehandlingssystem for klareringssaker, kalt Mimir, og manglende personalressurser. Sist vi behandlet saken, sa komiteen at vi Å si det en gang til oppleves underlig, all den tid vi har fått en ny rapport som sier at situasjonen har blitt forverret siden sist vi forventet akkurat det. Vi gjør det i år også, men vi vil understreke at den forventningen denne gangen må bli innfridd. Der må jeg få legge til at jeg etter å ha hørt statsråd Eriksen har forsterket tiltro til at det vil skje, og jeg ser fram til hennes neste innlegg, som er varslet vil gå inn på dette. Utvalget har tatt opp noen saker på bakgrunn av kritisk omtale i den offentlige debatten. Det er et sunnhetstegn som viser at utvalget fungerer som det skal – jevnlig kontrollerende, men også slik at de bidrar til å gi de svarene offentligheten trenger å hvile i, at modellen vi har valgt og mandatet de hemmelige tjenestene har blitt gitt, er riktige og blir overholdt. Den arbeidsformen må fortsette. Dersom det blir brakt opp større saker som krever mer ressurser enn det EOS-utvalget har til rådighet, må vi som storting legge til rette for at vi i store saker som

Med bakgrunn i opprettelsen av ekstern evaluering av EOS-utvalget ble Stortinget bedt om å fremme et lovforslag for å gi unntak for taushetsplikten. Dette er nå på plass, og jeg vil fra denne talerstolen si at jeg beklager at de teknikalitetene har tappet mye av utvalgets tilmålte ressurser. Tjenestene melder om et sammensatt og komplekst trusselbilde. Forebygging av at personer skal involveres i terrorsaker, er prioritert, og det meldes om økt etterretningstrykk mot Norge. Dette stiller krav til tjenestenes håndtering av informasjon. Vi har jo, i fjor, gått igjennom en stor grunnlovsendring, og jeg vil henvise til den ene grunnlovsendringen som ble gjort i fjor, og som EOS-utvalget også nevner, § 102, om retten til privatliv. Der slår Stortinget fast i merknads form at teknologiutvikling er et gode, men at det krever mer av oss. Det gjelder også for EOS-tjenesten. Derfor mener komiteen at det er viktig at Stortinget setter klare materielle og prosessuelle hjemmelsgrunnlag. Utvalget melder at de er bevisste på de utviklingstrekkene som påvirker kontrollen, og at de følger utviklingen nøye. Det har komiteen tillit til at utvalget gjør, og er glad for at sekretariatet er styrket med samfunnsfaglig og teknisk kompetanse, som er nøklene til å få løst de oppgavene vi har satt EOS-utvalget til å gjøre. Det har vært en tilbakevendende diskusjon om bruk og registrering i arbeidsregisteret Smart. Uttrykket «ligger ikke i Smart» har blitt benyttet som en egen kategori for personer som ikke var opprettet som objekter. Jeg vil ikke begi meg ut på å karakterisere hvor uheldig dette er, men komiteen slutter seg til utvalgets påpekninger og deler deres syn om at det er positivt at PST har funnet en teknisk løsning som ivaretar personvernet. Når det kommer til bruken av DocuLive, mener komiteen at dagens praksis er komiteen at dagens praksis er problematisk. At PST ikke har et regime for sperring av opplysninger som ikke lenger er relevante for tjenesten, gjør at dagens praksis for behandling av personalopplysninger i møtereferater i DocuLive ikke er tilfredsstillende. Jeg vil henvise til at PST har henvendt seg til Justis- og beredskapsdepartementet for å få en avklaring, for å finne ut av hvordan forholdet mellom arkivlovens oppbevaringsplikt og slettereglene i politiregisterloven skal leses. Komiteen er fornøyd med at utvalget vil fortsette å kontrollere om PST behandler opplysninger innenfor arkivene og registrene. Utvalget har pekt på at PST bør prøve å avklare hvordan utenlandsk samarbeidende tjeneste har tilegnet seg informasjon om Norge. Jeg vil gjerne gjenta fra denne talerstolen at det er Stortingets klokkeklare forventning. Når det kommer til informasjonsutveksling med utenlandske tjenester, vil jeg vise til utvalgets uttrykte bekymring for mangel på notoritet på vurderingene som er lagt til grunn for PSTs informasjonsdeling, for det er her blitt registrert et økende antall personer i databasen tilhørende Terrorist Screening Center, TSC. Dobbelt så mange med norsk statsborgerskap var å finne i det registeret i 2014 som i 2013 – og vi har ikke meldt dem inn der selv. PST opplyser til utvalget at

som informasjonskilde utenfor PSTs egne hjemler. Oversatt til norsk betyr det at de har gjennomført en hemmelig ransaking uten hjemmel. Stortinget gir hjemler, og vi er avhengige av at de blir fulgt, særlig i møte med enkeltpersoner. Jeg vil uttrykke at jeg håper at dette ikke er et eksempel på en kultur. Sett i lys av saken som er aktuell i disse dager, håper jeg at departementet sørger for å undersøke at det ikke er et eksempel på en kultur. Utvalget uttaler at de avventer Stortingets konklusjon på det prinsipielle spørsmålet om bestemmelsene om utvalgets innsynsrett i lov og instruks skal gjelde fullt ut også for etterretningstjenesten, eller om Stortingets vedtak fra 1999 skal opprettholdes. Komiteen viser til evalueringen av EOS-utvalgets mandat og verktøy, og vil ta stilling til dette når evalueringen er klar. Utvalget har også pekt på behov for enkelte endringer i kontrolloven og kontrollinstruksen i kapittel 8 i årsmeldingen. Komiteen har forståelse for begrunnelsen av hvorfor utvalget mener at denne lovendringen må på plass, og medlemmer av komiteen vil levere representantforslag om den lovendringen. Til slutt viser jeg til merknadene i innstillingen. EOS-utvalget skal føre løpende kontroll med de hemmelige tjenestene. Det er

Det er et klart behov for et internasjonalt regelverk som beskytter borgernes privatliv mot urettmessig statlig og privat overvåking. Det er også helt klart behov for et styrket internasjonalt samarbeid mellom statlige organer som skal kontrollere sine hemmelige tjenester. Vi er kjent med at EOS-utvalget har tatt initiativ på ulike måter for nettopp å få dette til. Internasjonalt samarbeid mellom hemmelige tjenester er grenseoverskridende, mens kontrollen er nasjonalt begrenset. Dette understreker betydningen av at det er åpenhet om etterretningsvirksomheten samt klare regelverk for de nasjonale tjenestene. Vi registrerer med tilfredshet at utvalget fører rutinemessig kontroll med tjenestenes informasjonsutveksling med samarbeidende tjenester, samtidig som en er nøye på å etterleve kontrollinstruksens pålegg om at det så vidt mulig skal iaktta hensynet til kildevern og vern av opplysninger mottatt fra utlandet. Det er liten tvil om at EOS-utvalgets kontroller har bidratt til å sikre enkeltpersoners rettssikkerhet. Slik styrkes også folks tillit til at E-tjenestene opererer innenfor sine rettslige rammeverk. Det er viktig at vi kan stole på at tjenestene kontrolleres. I så måte gjør utvalget et godt arbeid. Vi registrerer at utvalget i 2014 har mottatt et betydelig antall flere klager enn de foregående år. Fra Kristelig Folkepartis side er vi også positive til at utvalget har opprettet saker på eget initiativ. Vi registrerer at lang saksbehandlingstid i klareringssaker skaper stor grad av usikkerhet, det medfører i tillegg en uforholdsmessig inngripen i enkeltpersoners liv fra myndighetenes side. Det er bekymringsfullt at forholdene er slik de er, og vi forutsetter at tiltak iverksettes for å rydde opp i nettopp denne situasjonen. På grunn av økende arbeidsmengde har det vært nødvendig å stille mer ressurser til disposisjon for utvalget. Det har vært nødvendig å styrke sekretariatet, noe som igjen har ført til at inspeksjonene har blitt bedre forberedt. Flere saker er blitt tatt opp på eget initiativ, og utvalget har kunnet arbeide mer dyptgående med enkelte prosjekter, noe som bl.a. har ført til færre særskilte meldinger til Stortinget. Det er nødvendig at sekretariatet ytterligere forsterkes i årene framover. Vi vil ellers vise til at Stortingets presidentskap har nedsatt et utvalg som skal evaluere EOS-utvalgets arbeid og de rettslige rammer det arbeider innenfor. Mandatet ble utvidet etter innspill fra kontroll- og konstitusjonskomiteen, og også struktur for samarbeidet mellom EOS-utvalget og de hemmelige tjenestene samt bl.a. spørsmålet om hvordan en sikrer demokratisk kontroll av fremmede staters overvåking av norske borgere, ble innlemmet i mandatet. Det er viktig at dette arbeidet nå blir prioritert. Det er grunn til å uttrykke tilfredshet med det arbeidet utvalget utfører. utfører. Fra Kristelig Folkepartis side ser vi positivt på det utvalget selv peker på, at E-tjenesten generelt er opptatt av å vise åpenhet og tillit gjennom sine orienteringer og tilrettelegging for utvalgets kontroll. Det er nødvendig å understreke betydningen av at kontrollene blir gjort mulig uten at den som kontrollerer seg selv, skal avgjøre omfanget av kontrollen. Jeg viser ellers til saksordførerens presentasjon av komiteens innstilling.

– at vi frå komiteen si side ser at det vert gjort eit svært godt arbeid, og at EOS-utvalet er eit levande utval som har hatt mange viktige saker som det dels har teke opp på eige initiativ, og som dels har kome på andre måtar den siste tida. Det vekkjer òg i denne debatten lite interesse for det. Eg trur òg det er eit uttrykk for at EOS-utvalet gjer mykje godt arbeid, og eg sluttar meg elles til grundige og grundige og gode merknader frå saksordføraren. Eg vil likevel ta opp eit par element, som kanskje meir gjeld utviklingstrekk på dette feltet. Det første er at vi har, vil eg seie, to motstridande tendensar som eg trur fører til større merksemd og kanskje meir konfliktfylte debattar om og kanskje meir konfliktfylte debattar om feltet rundt overvakinga. På den eine sida har vi større merksemd – og eg oppfattar oppslutning – om personvern og verdien av det og større innsikt i utfordringane her. På den andre sida har vi heilt klare, trur eg, ønske om å styrkje overvaking og etterretning, ikkje minst i ein tilspissa sikkerheitspolitisk situasjon. situasjon. I det grenselandet kan vi kanskje òg forvente fleire konfliktar, utfordringar og fleire debattar om balansegangane i åra som kjem, og eg trur vi òg må rekne med det her heime. Det har vi sett eksempel på det siste året, eit par av dei sakene er omtalte i årsmeldinga, seinast gjeld det ei sak som fekk stor merksemd i vinter. Og dei siste dagane har vi altså sett ei sak vi førebels ikkje veit grunngjevinga for, og som er ein del av ein rettsprosess, men som har vekt merksemd, og som eg sjølv må seie utfordrar grensene for ytringsfridomen, at PST går til ein razzia utan ei rettsavgjering på førehand, og beslaglegg materiale som kan vere dekt av kjeldevernet. Det andre elementet som eg synest er utfordrande – det var representanten Grøvan inne på

Det tredje punktet eg vil ta opp, er at eg ser, nettopp på bakgrunn av dei to punkta her og den ganske omfattande aktiviteten – godt grunngjeve – som EOS-utvalet har, at ressurssituasjonen til utvalet vil vere viktig å følgje opp. Saksordføraren tok opp viktige spørsmål om moglegheitene utvalet vert gjeve til å jobbe. Men òg kva for ressursar dei har, er tema som vi frå SVs side vil følgje opp, og som komiteen

som tross en enstemmig oppslutning rundt merknadene også fortjener noe utdypning. Jeg kan slutte meg til den utfyllende redegjørelsen som vår faste saksordfører for EOS-utvalget hadde, og vil bare si at vi slutter oss til fra Høyres side at et helt sentralt punkt å bygge tillit på, er at det som foregår av overvåkning, er hjemlet, og at man holder seg innenfor de grensene som er satt av denne sal gjennom lovverket. Så vil jeg også slutte meg til det som ble sagt om saksbehandlingstid i klassifiseringssaker, og at man ellers i årsmeldingen har pekt på behov for endringer i kontrolloven og kontrollinstruksen. Da kan jeg også varsle at Høyre vil være positivt innstilt å imøtekomme de forslagene som ligger fra EOS-utvalget. Vi oppfatter dem som saklig begrunnet og primært av teknisk karakter. Når det gjelder den internasjonale utviklingen, så hadde jeg i slutten av mai anledning til å delta på en interparlamentarisk konferanse i Brussel. Vanligvis er det jo EØS som bringer oss dit, men denne gangen var det altså EOS. Det var en erfaringsutveksling mellom europeiske parlamenter om hvordan man nå sikrer en fullgod demokratisk kontroll med noe som per definisjon er skjult. Vi gjenkjente hverandres arbeidsbetingelser og bestrebelser på å bringe tjenestene under demokratisk kontroll, men det var

kontrollinstanser rapporterer best til regjeringer, som er flinkere til å holde på hemmeligheter enn nasjonalforsamlinger, men da er selvfølgelig et helt innlysende motargument at regjeringen er jo også veldig nært sammenvevet nettopp med den utøvende makt. Så det var en atskillig interesse for den den norske modellen i denne sammenheng. Så var det jo selvfølgelig også innvendinger om at man kanskje ikke var så oppriktig overfor en nasjonalforsamling, at det var veldig generelle rapporteringer, som egentlig ikke kunne gi fullgod informasjon. Men det er der vi kan svare at EOS-utvalget, som består av mennesker med samfunnsmessig bakgrunn, innsikt og ikke minst integritet, som på vegne av de vanlige og offentlige kontrollmekanismene vi kjenner til, som innsynsrett, søkbarhet og en våken presse, i disse spørsmålene er gitt vår tillit til å og rapportere tilbake på en måte som ikke kompromitterer tjenestene, deres metoder eller ansatte. Man kan jo også si, etter mange års virksomhet med denne modellen, at Stortinget aldri har hatt grunn til å uttrykke skuffelse over den måten som EOS-utvalget har fungert på. Det er altså da en kompliment til de personene som har sittet opp gjennom årene i disse meget viktige posisjonene og gjort en viktig jobb for parlamentet – i vårt land Stortinget – og for demokratiet. Alle rettsstater står altså i samme dilemma: Hvordan skal vi bekjempe skjulte trusler mot staten ved bruk av virkemidler som ikke kan rapporteres løpende i sanntid – som det heter nå – uten å undergrave hensikten med arbeidet?

sørge for at alle de hemmelige tjenester har en betryggende terskel å passere for å igangsette inngripende tiltak overfor enkeltmennesker i Norge. Det tredje de skal sikre, er at det er en proporsjonalitet i virkemiddelbruken, dvs. at man også vurderer bakteppet av faremomenter, risiko og skadeevne opp mot de inngrepene som det enkelte menneske potensielt må finne seg i, og at man også vurderer alternative måter som kan være mindre inngripende, kanskje noe mer arbeidskrevende. Det ligger også i en proporsjonalitetsvurdering. Dette er vanskelige spørsmål å avveie, og derfor er det også ganske vesentlig at vi har klart for oss at EOS-utvalget ikke står alene. I tillegg til den kontrollen som EOS-utvalget utfører – som selvfølgelig må være basert på rapporter om det som har skjedd – har vi også et ganske godt domstolsystem, som vi sikkert kan diskutere om skal bli enda bedre. Men fordelen med domstolsystemet, er at det er velprøvd, at det er vant til å håndtere også hemmelig informasjon, og at det kan kobles inn på ethvert tidspunkt av saksbehandlingen – ved å ha mekanismer når man vurderer tiltak som skal iverksettes, og det kan være å sjekke om man har riktig hjemmel underveis. Og selvfølgelig kan også domstolen til slutt gjøre noe av det EOS-utvalget gjør, nemlig en etterkontroll. Det er derfor jeg også ved denne anledning, siden to av talerne var inne på en antydning om PST – og man kan selvfølgelig omtale PST i en EOS-debatt, det er helt i orden – vil si at det vi skal være forsiktige med, er nå å ha for sterke meninger om hva PST har hatt av grunner eller ikke grunner til å gå inn i den saken som har vært nevnt i mediene. Det kan ikke være modent å gjøre det nå; det kan tvert imot være ganske prematurt. er fordi jeg også har sett av avisene at en representant gjerne vil ha landets justisminister – under parlamentarisk informasjonsansvar overfor Stortinget – til å redegjøre for hva grunnen kan være for et spesielt beslag. Slik kan et parlament ikke drive, men det er jo derfor vi har EOS-utvalget. De leser aviser, og de har i flere rapporter sagt at de holder seg orientert om mediebildet. Mer nedgravd er de ikke i offentlige dokumenter enn at de får med seg hele bildet og på vegne av offentligheten, på vegne av pressen, gjør den jobben. Så jeg vil sterkt advare mot at vi som enkeltrepresentanter går inn og nå gjør den jobben som vi har valgt EOS-utvalget til å gjøre. Det er ikke fordi vi skal fraskrive oss ansvaret, men vi er regelprodusenter, lovmakere, og vi kan ikke drive alternativ, sideløpende rettsanvendelse. Det tror jeg nok vi er enige om ved nærmere ettertanke. Vi ser en endret sikkerhetspolitisk situasjon. I en tid preget av uro og usikkerhet er

EOS-utvalget utfører en uavhengig gransking og kontroll for å påse at tjenesten holder seg innenfor det fastlagte regelverket. Jeg er derfor glad for at utvalget i årsmeldinga har beskrevet at EOS-tjenesten gjennomgående har vist forståelse for utvalgets kontroll i 2014. Jeg er enig med utvalget i at kontrollen bidrar til å sikre enkeltindividers rettssikkerhet og til å skape tillit til at tjenesten opererer innenfor sine rettslige rammeverk.

har ansvar for å sikkerhetsklarere Forsvarets personell. Nasjonal sikkerhetsmyndighet, NSM, er klagemyndighet for klareringsmyndighetene. De har samtidig nasjonalt ansvar for klarering på det høyeste klareringsnivå, Cosmic Top Secret – CTS. Forsvarsdepartementet er klagemyndighet på CTS-sakene og klareringsmyndighet for utenlandske statsborgere i sektoren. Det har vært utfordringer med lang saksbehandlingstid i flere år. En av årsakene er at sakene er langt mer komplekse enn tidligere. Eksempelvis bidrar både et globalisert arbeidsmarked og innvandring til at mange har tilknytning til andre stater. Hva en slik tilknytning innebærer, må selvfølgelig vurderes i hver enkelt sak. Det er tidkrevende. Det er også tidkrevende å innhente personopplysninger fra samarbeidende land, som jeg så vidt var inne på i forrige innlegg. Saksmengden er også en utfordring. eksempel økte antallet Cosmic Top Secret-saker fra 1 000 søknader til 1 750 søknader i perioden fra 2012 til 2013. Jeg har derfor satt i gang en gjennomgang vedrørende bakgrunnen for denne økninga. Det kan være slik at det anmodes om klarering på et høyere nivå enn det egentlig er behov for. Det kan også hende at det anmodes om flere sikkerhetsklareringer enn nødvendig. Forsvarets sikkerhetsavdeling behandler mellom 18 000 og 20 000 saker i året. Det er åpenbart at en effektiv saksbehandling av så mange saker er avhengig av et godt saksbehandlingsverktøy. Vi hadde derfor store forventninger til innføringa av det nye fullelektroniske saksbehandlingsverktøyet Mimir. Dessverre er en av årsakene til den uforholdsmessig lange saksbehandlingstida i 2014 nettopp innføringa av Mimir. Da Mimir ble tatt i bruk sensommeren 2014, ble det raskt klart at systemet hadde store feil og mangler. Saksrestansene hos klareringsmyndighetene økte kraftig på kort tid. Arbeidet med å utbedre Mimir startet derfor raskt opp. Resultatet er at Mimir i dag fungerer på et akseptabelt nivå. Sammenlignet med den situasjonen klareringsmyndighetene sto overfor i fjor høst, er dette en positiv utvikling som vil bidra til at saksbehandlingstida reduseres. Samtidig var manglende personellressurser en medvirkende årsak til den lange saksbehandlingstida. Jeg har derfor gitt føringer både til Forsvaret og til Nasjonal sikkerhetsmyndighet om å prioritere arbeidet med sikkerhetsklareringer, sånn at saksbehandlingstida reduseres. Det er gjort både gjennom PET, altså presiseringer, endringer og tillegg til iverksettingsbrevene, og gjennom etatstyringsdialogen. Forsvarets sikkerhetsavdeling har hittil i år blitt styrket med tre nye årsverk, og ytterligere fem vil tilføres i løpet av kort tid. Det betyr at Forsvarets sikkerhetsavdeling vil ha økt antallet saksbehandlere fra 17 til 25 i løpet av inneværende år. I tillegg er det avsatt to årsverk til Forsvarets personell- og vernepliktssenter for å ivareta rollen som anmodende myndighet, og dermed sikre bedre saksflyt mellom senteret og Forsvarets sikkerhetsavdeling. Til opplysning har Forsvarets sikkerhetsavdeling redusert restanselista fra det høyeste på 7 420 saker i februar i år til 3 660 saker 3 660 saker i dag. Det er en positiv utvikling. Nasjonal sikkerhetsmyndighet har siden høsten 2014 omfordelt ressurser til klareringsmyndigheten for å redusere restansene. I tillegg er de styrket med fire nye stillingshjemler. Det betyr at de nå behandler saker raskere enn nye saker kommer inn. Totalt er saksbehandlingskapasiteten til NSM styrket fra 8 til 13 saksbehandlere. Nasjonal sikkerhetsmyndighet har allerede klart å redusere saksbehandlingstida på CTS-sakene. Ved siste rapportering i mai var den på 102 dager, og målsettinga er maksimalt 90 dager. Både Forsvarets sikkerhetsavdeling og Nasjonal sikkerhetsmyndighet har nå fått tilført ressurser som gjør at deres saksbehandlingskapasitet er betydelig styrket. Jeg forventer at både FSA og NSM vil redusere saksbehandlingstida i løpet av 2015, men vil altså følge denne utviklinga veldig nøye. Både Forsvaret og NSM opplyser at de vil tilføre flere saksbehandlere dersom det er behov for det. Jeg har også gitt klar beskjed om at de må anmode om ytterligere ressurser hvis de ser at behovet er der. Det har de meldt tilbake at det for tida ikke er. Høsten 2014 endret Forsvaret rutiner for innkalling og fordeling til førstegangstjeneste, som jeg nevnte i den forrige saken. Dette var en praksis jeg fra Forsvarsdepartementets side stoppet umiddelbart fordi den ikke er i tråd med det som er regelverket, nemlig at man skal sikres individuell behandling. En av konklusjonene fra arbeidsgruppa som ble satt ned av forsvarssjefen i ettertid av dette, var at klareringsprosessen bør starte tidligere, slik at man har avklart klareringsspørsmålet før førstegangstjeneste. Høsten 2015 blir det iverksatt et pilotprosjekt på sesjonssenteret på Kjevik, hvor denne ordninga prøves ut. Det vil si at for alle – uavhengig av tilknytning – som blir fordelt til førstegangstjeneste, skal klareringsprosessen starte umiddelbart. Av dem som mottok dette brevet fra Forsvaret høsten 2014, som nå har – som jeg nevnte – mottatt også de som skal inn i førstegangstjeneste. Det vil fortsatt være noen som ikke får sikkerhetsklarering, men det vil da være på bakgrunn av en individuell vurdering, og det er normal praksis. I den sammenheng er det viktig å vise til at EOS-utvalget gjennomgår de sakene hvor sikkerhetsklarering ikke blir gitt. Tre ganger i året inspiserer utvalget Forsvarets sikkerhetsavdeling. Utvalget har ikke hatt merknader til denne typen saker i årsmeldinga for 2014. Utvalget har i årsmeldinga pekt på at enkelte typer klareringssaker blir ulikt behandlet hos ulike klareringsmyndigheter. Dette er uheldig. Jeg sendte den 20. mai i år et forslag til endringer av sikkerhetsloven på høring. I høringsutkastet er det bl.a. foreslått å redusere antall klareringsmyndigheter betraktelig. Det vil sannsynligvis bidra til større grad av likebehandling og heve kvaliteten på klareringsavgjørelsene. Det vil også forenkle EOS-utvalgets kontroll og NSMs tilsynsrolle, og det forventes å gi klare stordriftsfordeler. I årsmeldinga har utvalget pekt på at det kan være behov for en ekstern evaluering av gjennomføringa av sikkerhetssamtaler. Jeg har også merket meg at komiteen mener det er behov for en slik ekstern evaluering, og at det er viktig at dette arbeidet blir prioritert. Sikkerhetssamtaler er basert på en variant av samtaleteknikken som kalles KREATIV, som er utviklet av det norske politiet. KREATIV er bygget opp etter PEACE-modellen. Metodikken i PEACE-modellen er allment anerkjent og brukes bl.a. av politiet, EOS-utvalget og Nasjonal sikkerhetsmyndighet er fortsatt i dialog om hvorvidt det er behov for en ekstern evaluering. Jeg er opptatt av at NSM prioriterer å videreføre denne dialogen med utvalget. Jeg har merket meg at utvalget i årsmeldinga kommenterer at kvaliteten på gjennomføring av sikkerhetssamtalene er varierende i de ulike klareringsmyndighetene. Det vil alltid kunne være forbedringspotensial med gjennomføring av enkelte samtaler. Det er derfor viktig at vi reduserer antallet klareringsmyndigheter, slik at vi får færre og sterkere fagmyndigheter med økt spesialisering og kompetanse. EOS-utvalget har i årsmeldinga tatt opp at de har behov for tilgang til Mimir. Nasjonal sikkerhetsmyndighet arbeider nå med å legge til rette for å etablere et eget rom for EOS-utvalget i NSMs lokaler. Det er avsatt ressurser til det, og

Jeg er også glad for at utvalget presiserer det positive ved dette i årsmeldinga. I årsmeldinga for 2013 stilte utvalget spørsmål om hjemmelsgrunnlaget for behandling av sensitive personopplysninger av tredjepersoner knyttet til kildebruk. Spørsmålet dukket opp i forbindelse med utvalgets undersøkelse av opplysninger om norske kilder i 2013, den såkalte fagarkivsaken. Departementet har gjort en grundig vurdering av hjemmelsgrunnlaget, som utvalget viser til at det har tatt til orientering. Utvalget presiserer også at de vil fortsette å kontrollere tjenesten på dette området. Dette er en viktig del av den kontrollen som utvalget skal utføre. Jeg er glad for at utvalget også i denne forbindelse presiserer at kontrollarbeidet er enklere som følge av E-tjenestens tilrettelegging. Utvalget viser i årsmeldinga til at de avventer at Stortinget skal ta stilling til spørsmålet om utvalgets innsyn i E-tjenestens særlig sensitive informasjon. Vurdering av gjeldende ordning er del av mandatet til evalueringsutvalget. Forsvarsdepartementet har bistått evalueringsutvalget med informasjon de har etterspurt, bl.a. med vårt syn på behovet for at ordninga som Stortinget fastsatte i 1999, som ble bekreftet i 2009, og som har blitt opprettholdt av alle forsvarsministere etter at den i sin tid ble innført av Jørgen Kosmo, opprettholdes. Selv om E-tjenesten har forholdt seg lojal til gjeldende rettsforståelse og Stortingets vedtak, er det utfordrende at den gjeldende ordninga til stadighet utfordres. Jeg ser fram til Stortingets avklaring i denne saken. EOS-utvalget beskriver i sin årsmelding én klagesak hvor de har funnet grunn til å kritisere E-tjenesten. Jeg vil først presisere at jeg tar det veldig alvorlig at utvalget finner grunn til å kritisere tjenesten for forhold knyttet til informasjonsinnhenting om norske statsborgere som befinner seg i Norge. Jeg er kjent med at E-tjenesten også har tatt denne saken like alvorlig og har iverksatt umiddelbare tiltak for å hindre at lignende situasjoner kan oppstå. Det er likevel viktig for meg å poengtere at det ikke har blitt samlet inn noe informasjon om norske statsborgere i strid med regelverket. Jeg vil også være klar på at saken har sin bakgrunn i en feil i den interne informasjonsflyten i tjenesten, det er altså ikke en bevisst overtredelse av de lover og regler som tjenesten er underlagt. Det som skjedde, var at informasjon fra PST om at personen hadde returnert til Norge, ved en feil ikke hadde blitt fanget opp i E-tjenesten. Jeg vil følge opp dette videre overfor E-tjenesten og sørge for at nødvendige tiltak er iverksatt for å sikre at interne prosesser og prosedyrer for informasjonshåndtering er gode nok. Avslutningsvis har jeg merket meg at EOS-utvalget har beskrevet at de i 2014 har nedlagt betydelige ressurser for å tilrettelegge for evalueringsutvalget. Det vil fortsette i 2015. Det er viktig for den demokratiske kontrollen og legitimiteten til de hemmelige tjenestene at man i tråd med den øvrige utviklinga også ser på EOS-utvalgets virksomhet og rammebetingelser.

kontroll- og konstitusjonskomiteen selv, men også fordi jeg mener den jobben som gjøres i EOS-utvalget, er helt avgjørende for å sikre de hemmelige tjenestene den nødvendige legitimitet. Jeg synes også det er bra at det gjøres funn. I motsetning til det en kanskje skulle tro, mener jeg det er viktig at EOS-utvalget gjør funn, at de kommer med dem, og at de gjennom dialog med tjenestene forbedrer tjenestenes arbeid på viktige områder. Jeg har også et inntrykk av at dialogen med tjenesten er god, noe som også fremgår av årsmeldingen. Det er en styrke. Jeg mener også at det er grunn til å glede seg til evalueringen av for å se om man også kan forsterke den demokratiske kontrollen ytterligere, om det er andre måter man skal løse dette på i fremtiden, og om det er ting vi har lært gjennom den tiden EOS-utvalget nå har fungert, som kan gjøre at vi får en ytterligere forbedring. Jeg må si at jeg er fornøyd, også som ansvarlig statsråd for denne delen av forvaltningen, med den jobben EOS-utvalget gjør.

håndtere dette på en annen måte. Etter politiregisterforskriften kan sletting skje enten i form av tilintetgjøring i form av kassasjon, ved vedtak fra Riksarkivet eller i form av arkivering. For PST er det ikke angitt særskilt i forskriften om hvordan slettingen skal skje, så vi har nå en dialog med PST om hvordan dette skal gjennomføres i praksis. skje, så vi har nå en dialog med PST om hvordan dette skal gjennomføres i praksis. Jeg synes det er grunn til å nevne at PST har, etter det jeg nå har fått opplyst, endret sine rutiner for oppfølging og notoritet knyttet til kontakten med utenlandske tjenester. Det har også vært en av de tingene som EOS-utvalget har påpekt. Jeg vil også gi noen kommentarer knyttet til TSC-registeret. Det er

og vi kommer til å fortsette med det til vi får fullgod informasjon. Men det er en klar utfordring at vi egentlig ikke er kjent med hva som er årsaken til registreringen av norske borgere, hvem som melder dem inn, og hvordan man skal få dem ut hvis en mener det ikke er grunnlag for den registreringen. De som meldes inn av PST, har den nødvendige oppfølgingen, og der hvor det ikke er grunnlag for registrering lenger, melder man det inn til registeret. Til slutt synes jeg det er grunn til å nevne – siden det har fått mye offentlig oppmerksomhet – PSTs bruk av mobilregulerte soner. Saksordføreren og flere andre var også inne på det. Det er grunn til å nevne at det forholdet som ble sett på som motstrid mellom taushetsbestemmelsene i straffeprosessloven på den ene siden og meldeplikten til NKOM, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, på den andre, er avklart gjennom at

Sivilombodsmannen gjer òg eit viktig arbeid for å overvake og kontrollere at forvaltninga respekterer og sikrar menneskerettar. Det er difor ein viktig del av Stortingets arbeid å behandle Sivilombodsmannens årsmelding. Eg vil trekkje fram nokre punkt frå årsmeldinga for 2014 som òg er omtalte i komiteen sine merknader. Nav er eit tema som går I 2014 kritiserte Sivilombodsmannen forvaltninga i tre saker om rettstryggleiken knytt til delar av Nav sitt regelverk, som omfattar aktiviserande tiltak og ytingar for å få flest mogleg i arbeid. Sakene kom på bakgrunn av lovendringar som følgde i kjølvatnet av Nav-reforma. Det er verd å merkje seg at Sivilombodsmannen påpeikar viktigheita av at departementet føretek grundige analysar av konsekvensane for rettstryggleiken av denne typen lovforslag, og at analysane vert lagde fram for Stortinget. Det er òg noko Stortinget bør ta med seg i sitt vidare arbeid. Eit anna tema som kom opp igjen i årsmeldinga, er sanitærforhold i fengsel. I lys av debatten vi nyleg har hatt om kapasiteten i kriminalomsorga, ei eiga melding her i Stortinget, og vedlikehaldsbehov i norske fengsel, er det ein kritikk som myndigheitene bør følgje opp. Vidare er det òg verd å merkje seg at Sivilombodsmannen gjennom mange år har påtalt brot på hovudregelen om overføring frå politiarrest til fengsel innan to døgn. Oversitting i politiarrest er eit problem som må takast på alvor. Òg dei siste åra har det vorte rapportert ein auke i talet på oversittingar i Oslo politidistrikt, samtidig som belegget i kriminalomsorga er svært høgt og soningskøane aukar. Lang sitjetid i politiarrest har vore gjenstand for kritikk frå Europarådets torturførebyggingskomité, og det er eit tema som vi er nøydde til å ta meir på alvor i det norske samfunnet. Politiets utlendingsinternat på Trandum er òg eit tema som vert omtalt i årsmeldinga. Det er positivt at dei materielle men det er grunn til bekymring når Sivilombodsmannen meiner omsynet til kontroll og tryggleik hadde fått for stort gjennomslag samanlikna med omsynet til dei internerte sitt privatliv på enkelte område. I Sivilombodsmannens fråsegner vert det bl.a. framheva: «Full kroppsvisitasjon med besiktigelse av underlivet er et svært inngripende tiltak.» Dei internerte risikerte rutinemessige kroppsvisitasjonar ofte og uventa, utan at det såg ut til å verte gjort konkrete vurderingar av behovet for den enkelte kroppsvisitasjonen. Det følgjer av praksis frå Den europeiske menneskerettsdomstolen at det kan innebere ei krenking av Den europeiske menneskerettskonvensjonens artikkel 3. Vi forventar at regjeringa følgjer opp dei bekymringane. Eit siste tema som eg vil nemne, som òg har gått igjen i årsmeldingane, og som er eit tema denne gongen òg, er ytringsfridomen til tilsette. Ytringsfridom er ein grunnleggjande menneskerett, og rettane er i Noreg beskytta av Grunnlova. I utgangspunktet har tilsette den same ytringsfridomen som andre, òg på jobb, men den tilsette kan vere knytte til teieplikt og ulovfesta lojalitetsplikt. Sivilombodsmannen understrekar at ei slik plikt til å opptre lojalt mot verksemda ein er tilsett i, ikkje betyr at arbeidsgjevaren kan regulere eller sanksjonere ytringar som tilsette kjem med på eigne vegner om politiske forhold, og viser i årsmeldinga til ei konkret sak frå 2014, der dette temaet vart behandla. Det vil eg seie, essensielt å sikre tilsette sin ytringsfridom, og det er eit tema som har vorte sett på spissen i fleire saker dei seinare åra. Det er avgjerande for ein informert offentleg debatt. Tilsette kan ha spesiell kompetanse, innsikt og erfaring på eit aktuelt område, og tilsette sin ytringsfridom kan òg bidra til å avdekkje kritikkverdige forhold. Sett i lys av Sivilombodsmannen sine bekymringar i førre årsrapport

som vi nå har behandlet forsvarsombudets innberetning og EOS-utvalgets innberetning, er det verdt å merke seg at det i all hovedsak er stor enighet i Stortinget om det arbeidet som gjøres. Det som nå sivilombudsmannen, som fortsatt sitter her, skal høre, er at det er i veldig tillit til at det arbeidet som de gjør til daglig, er et bra arbeid. arbeid. Er det noe man kan være helt sikker på, er det at Stortinget oppdager det hvis så ikke er tilfellet, og er i stand til å bemerke det. Det som også slår en, som vi snakker litt lite om, antakeligvis, er at det er en enorm saksmengde som Sivilombudsmannen håndterer til daglig og gjennom året. Når merknadene tross alt er såpass begrenset som de er, viser det Stortinget at forvaltningen i Norge håndterer enkeltmenneskene gjennomgående på en god måte. Det tror jeg det er viktig å si. Det gir oss en trygghet for at de rettstilstander og de regler som vi har, blir fulgt av forvaltningen. Det er fint, for det viser at Norge er et demokratisk samfunn, hvor vi tar hensyn til enkeltmenneskene. Overgrep fra myndighetene mot enkeltmennesket er omtrent ikke til stede. Det synes jeg er setninger som bør sies i en sammenheng som dette, da vi gjerne drøfter litt spesielle ting. Så er det noen spesielle ting, som saksordføreren har vært inne på. Jeg vil bare markere at Arbeiderpartiet ikke er med på merknaden knyttet til Det er ikke fordi vi ikke mener at det er mye å diskutere i forhold til Nav – og det har vært gjort her i denne sal for ikke lenge siden i betydelig grad. Men vår tilnærming til håndtering av Nav-ombud er at det ikke løser utfordringene. Det betyr ikke at vi ikke mener at det kan være mye å kritisere Nav for – det ser vi til daglig nærmest, dessverre. Men et ombud vil ikke løse dette. Det er politiske virkemidler som vil kunne løse det som er knyttet til Nav. Kontroll- og konstitusjonskomiteen har ganske nylig, under representanten Grøvans ledelse, gjennomgått dette på en veldig grundig måte, og har nettopp fått vedtatt spesielle ting knyttet til håndteringen av Nav, og da IKT, selvfølgelig. Så må vi også – jeg skal bare si det også veldig kort, for egentlig har saksordføreren sagt det som er å si – begynne å respektere de stadige påpekningene vi får fra alle hold om oversitting i fengslene. Det er jo fordi kapasiteten er for dårlig. Det er ikke fordi politiet slurver – det fins kanskje noen få eksempler, men det tror jeg er helt unntaksvis. De er i en tvangssituasjon, de har ikke noe sted å sende arrestantene. Det skaper et veldig stort problem, som skaper et prinsipielt problem, som også Sivilombudsmannen påpeker. Jeg ser at justisministeren har bedt om ordet etterpå, og det er bra, for det er viktig at vi får kommentert akkurat dette også ved denne behandlingen. Det er en gjenganger, så det er viktig at vi får gjort dette. Til slutt vil jeg bare si at jeg slutter meg veldig til den betenkningen som framkommer i denne innstillinga, men også i den neste, som knytter seg til forholdene på Trandum. Det kan være mange grunner til å være strenge på Trandum – jeg forstår det, og det er mulig at justisministeren vil kommentere dette – men på den annen side skal vi ikke bryte menneskerettighetene eller være i nærheten av å gjøre det, som det antydes ikke i denne innstillinga, men i den neste. Det mener jeg at Stortinget må markere. Jeg ser at justisministeren nikker forsiktig på hodet, og det er betryggende, og så får vi høre hva han har å si når han kommer på talerstolen. Sivilombudsmannens oppgave er å bidra til betryggende, og så får vi høre hva han har å si når han kommer på talerstolen. Sivilombudsmannens oppgave er å bidra til å sikre at det ikke øves urett fra den offentlige forvaltning mot den enkelte borger. Ombudsmannen har også en viktig oppgave i form av en forebyggende funksjon. Gjennom sin behandling av enkeltsaker blir ombudsmannens rolle av en holdningsskapende og faktisk også praksisskapende karakter. Saksordføreren har gjort rede for komiteens innstilling, så jeg skal ikke gå så veldig mye inn på detaljene i den. Jeg har bare lyst til å ta opp et par forhold. Jeg konstaterer at antall saker har ligget noenlunde stabilt de siste fire årene, men med en liten økning fra 2013 til 2014. Det er gledelig at det har vært en nedgang i ombudsmannens saksbehandlingstid. Det er det grunn til å merke seg med et positivt fortegn. Men vi kan også merke oss at et klart flertall av klagene, faktisk omtrent tre fjerdedeler, var rettet mot statlige forvaltningsorganer, og av dem er det flest klager som er rettet mot Nav og fylkesmennene. Når det gjelder Arbeids- og velferdsetaten, er det ikke lenge siden vi behandlet en stor sak her i Stortinget om IKT-systemene. Det er faktisk en viss grunn til bekymring for om alle også i framtiden vil få riktig ytelse til rett tid. Selv om erfaringene med saksbehandlingstiden i Nav viser at det er gjort klare forbedringer,

Sivilombudsmannens melding for 2014 understreker nettopp behovet for et sånt Nav-ombud. Årsmeldingen viser at Sivilombudsmannen og denne funksjonen blir respektert også av forvaltningen, og det er bra. I all hovedsak blir ombudsmannens vedtak lojalt fulgt opp av forvaltningsorganene. Det er viktig og har stor verdi for dem dette angår direkte, men også for samfunnet som

mitt ansvarsområde, og som også er blitt gjenstand for kommentarer fra talerstolen. Det ene gjelder oversitting i politiarrest. Det er et alvorlig problem, og det har vært det over tid. Det er en situasjon som vi er nødt til å løse. En av hovedutfordringene er at det er veldig høy kapasitetsutnyttelse i de ordinære fengslene, på over 98,2 pst. så langt i år, etter de siste tallene. tallene. Det gjør at overføring til varetekt noen ganger er for komplisert. Tidligere denne uken har Stortinget forhåpentligvis bidratt til å løse noe av den situasjonen ved at det blir stilt til rådighet 242 nye fengselsplasser, forhåpentligvis fra 1. september riktignok i Nederland, men det er likevel noe som vil bidra til å øke mulighetene for å få raskere overføring til ordinær varetektssoning og dermed også bidra til å redusere oversitting, i tillegg til å løse en del av de andre utfordringene på kriminalomsorgens område. Men dette er noe vi har stort fokus på. Hvis man skal se litt historisk på det, var det i 2009 539 tilfeller av oversitting, ifølge tall fra Politidirektoratet. I 2013 var det 4 250 tilfeller av det samme. Så det har vært en økende tendens bortsett fra en liten nedgang i 2011. I 2014 var tallet 3 440, ifølge de tallene vi har fått fra Politidirektoratet. Det er store tall, og det er nødvendig å ha nødvendig politisk trykk på dette, men det er også nødvendig å sikre at etatene er i stand til å løse dette på en bedre måte fremover. Så vil jeg også nevne spørsmålene knyttet til Trandum, hvor det er en balanse mellom sikkerhetsspørsmål og privatlivets fred. Der er, etter hva jeg får opplyst, PU i gang med å foreta en gjennomgang for å sikre at en er innenfor de rammene som en skal være. er naturligvis nødvendig, som også komitélederen pekte på, at vi her ikke skal tråkke over grensene for menneskerettighetene. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 12. Sivilombodsmannens førebyggingseining mot tortur og umenneskeleg behandling ved

og eit sentralt føremål med opprettinga av eininga er å oppfylle forpliktingane som Noreg har teke på seg som følgje av tilslutninga til Torturkonvensjonens tilleggsprotokoll, ofte forkorta til OPCAT, etter den originale, engelskspråklege tittelen. Førebyggingseininga har rett til å besøkje alle stader der personar er, eller kan vere, fråtekne fridommen sin.

I tillegg har det vorte laga meir konkrete besøksplanar, og det har vorte oppretta dialog og kontakt med ei rekkje aktørar – frå offentlege myndigheiter, utdanningsinstitusjonar, fagforeiningar og akademia til det sivile samfunnet. Eininga har i løpet av 2014 gjennomført totalt fem besøk. Av dei var to av besøka i fengsel og tre i politiarrestar. Dei besøkte institusjonane har motteke ein rapport med anbefalingar etter besøket, og vi føreset at dei anbefalingane vert følgde opp. Vi reknar med at førebyggingseininga vil gjennomføre klart fleire besøk i 2015 enn i 2014, ettersom det første året meir eller mindre utan unntak gjekk med til oppstart og innkøyring. Komiteen har merka seg at førebyggingseininga konstaterer at høgt belegg og bygnings- og bemanningsmessige utfordringar fører til auka isolasjon og innstramming når det gjeld høvet til fellesskap for innsette i fengsla. Ein samla Vi er òg bekymra over at førebyggingseininga har inntrykk av at kvinnelege innsette får eit lite tilfredsstillande soningstilbod samanlikna med menn. Det er ikkje bra. Eg vil seie at det er eit tema som er interessant å undersøkje meir nøye og grundig. Så har vi merka oss at òg den nye eininga finn at det er utfordringar knytte til å overhalde

derfor med uro vi les om at for lange opphald i politiarrest synest å vere eit aukande problem fleire stader, bl.a. på grunn av mangel på ledig kapasitet i fengsla. Ein samla komité seier at dei er glade for at førebyggingseininga er seg bevisst problema med brot på todagarsfristen. Ein samla komité peikar også på behovet for å byggje ut kapasiteten i fengsla som eit av dei sentrale tiltaka for å få bukt med problema. Til slutt vil eg seie at eg trur eg snakkar for ein samla komité når eg seier at vi er glade for at denne og at ein har kome godt i gang med eit viktig arbeid. Vi takkar for ei grundig første årsmelding for eininga. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 13. Stortinget er da klare til å gå til votering.

jeg sa

Enten

tar jeg opp

i alt 35 forslag. Det er forslag nr. 1, fra Hadia Tajik på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet forslagene nr. 2–12, fra Hadia Tajik på vegne av Arbeiderpartiet forslagene nr. 13–28, fra Marit Arnstad på vegne av Senterpartiet forslagene nr. 29–35, fra Bård Vegar Solhjell på vegne av Sosialistisk Venstreparti Det voteres først over forslagene

helhet. Lovvedtaket vil bli satt opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Under debatten er det satt fram tre forslag. Det er forslag nr. 1, fra Lene Vågslid på vegne av Arbeiderpartiet forslag nr. 2, fra Marit Arnstad på vegne av Senterpartiet forslag nr. 3, fra Karin Andersen på vegne av Sosialistisk Venstreparti Det voteres over forslag

de vil stemme imot. Det voteres over § 15 nytt femte ledd og § 15 niende ledd nytt annet punktum. Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti har varslet at de vil stemme imot.